slik at man først behandler rammeområde 2, Familie og forbruker, og deretter rammeområde 3, Kultur. Presidenten foreslår videre at man under debatten om rammeområde 3 også behandler sakene nr. 4 og 5, og at man under rammeområde 2 også behandler sakene nr. 2 og 3. – Det anses vedtatt. Videre vil presidenten etter ønske fra familie- og kulturkomiteen foreslå at hver av debattene blir begrenset til 70 minutter, og at taletiden foredeles slik: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter og Venstre 5 minutter. Utover dette foreslås det at inntil tre medlemmer av regjeringen får en taletid på inntil 5 minutter hver.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

På tre tiår har kvinner strømmet ut i arbeidslivet. I dag er sju av ti kvinner yrkesaktive. Vi har i dag den høyeste yrkesdeltakelse blant kvinner i verden, samtidig som vi er på europatoppen i antall barnefødsler. Å kombinere morsrollen og yrkesrollen er i de fleste andre land umulig. I Italia og Hellas er bare annenhver kvinne i arbeid. I Tyrkia er hver fjerde kvinne yrkesaktiv. Norske småbarnsforeldre har en valgfrihet som i internasjonal målestokk er unik. Vi tvinges ikke til å velge vekk barn dersom vi ønsker å være yrkesaktive. Vi kan faktisk si ja takk til begge deler. Foreldrepermisjonsordningen gir oss i form av dens eksistens en stor valgfrihet. Og gjennom budsjettet gjør vi ordningen enda bedre. Vi sikrer at også fedre får tilgang til den flotte ordningen gjennom å utvide fedrekvoten til hele 12 uker. Og med fedrekvoten utvisker vi de gamle kjønnsrollemønstrene som har begrenset fedres valgfrihet. Det har aldri vært høyresiden som har gitt småbarnsforeldrene økt valgfrihet, og det ser vi også nå ved at de vil fjerne fedres Vi har nådd målet om full barnehagedekning og dermed gjennomført den største velferdsreformen på 30 år. På grunn av mangel på barnehageplasser var først og fremst mødre tvunget til deltidsarbeid og arbeid til ukurante tider. Det er nå historie. Med full barnehagedekning er foreldres valgfrihet blitt ytterligere utvidet. Fra å være et gode for de få har barnehager blitt et tilbud til det store flertall av barna mellom ett og seks år. for de få har barnehager blitt et tilbud til det store flertall av barna mellom ett og seks år. Fra å ha bygget barnehager alt hva remmer og tøy kan holde fortsetter vi barnehagesatsingen med å heve kvaliteten. I 2011 blir barnehagene innlemmet i det kommunale rammetilskuddet. Tilskuddet til barnehager har vært øremerket fordi vi har jobbet med å få til full dekning. Nå er vi over i en ny fase, og da er det naturlig at barnehager blir Stadig flere barn får hjelp av barnevernet. Likevel er det mange barn som ikke får hjelp. Fylkesmennenes tilsyn avdekker at mange barnevernssaker blir henlagt på grunn av ressursmangel. Vi er i ferd med å få en ny type mappebarn. Derfor får vi nå den største innsatsen i det kommunale barnevernet I statsbudsjettet for 2011 legges det opp til 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet. Disse blir øremerket for å sikre at pengene blir brukt på de barna som trenger hjelp. I første omgang vil behovet være flere ansatte i barnevernet. Disse skal sørge for at bekymringsmeldinger blir fulgt opp, og at de barna som trenger hjelp, følges opp videre. I stedet for å smøre disse stillingene tynt utover til alle landets kommuner har vi valgt å la fylkesmannen tildele midler etter søknad fra kommunene. Kommuner som allerede har god bemanning, kan søke om penger til andre tiltak som vil styrke barnevernet i deres kommune. Dessuten vil kommuner som velger å samarbeide om barnevernet, bli prioritert. Vi blir beskyldt av høyresiden for å ha allergi mot alt som er privat og for å rasere private barnevernsinstitusjoner. Det er en merkelig beskyldning i en situasjon hvor over halvparten av alle barnevernsinstitusjoner er på private hender, og hvor staten har redusert bruken av institusjonsplasser både i statlig og privat regi. I budsjettet for 2011 foreslår Fremskrittspartiet et kutt i det statlige barnevernet på ½ mrd. kr. Høyre kutter ikke like mye, men etter begge budsjettene vil det føre til massiv nedleggelse av og i verste fall fosterhjemsplasser. Dette vil være meget alvorlig for disse barna. Dette er virkelig et ideologisk korstog mot alt som lukter statlig. Men det verste er at dette vil ramme barna som vil måtte vente lenge før de får den omsorgen de har krav på. Det budsjettet som regjeringen legger fram i år, er et godt budsjett for de barna som har det vanskeligst, men det er også et svært godt budsjett for alle småbarnsfamilier.

– far har ikke anledning til å ta ut fedrekvote og mor må ut i jobb. Representanten Stokkan-Grande hadde et innslag i Dagsavisen om at han ville ha barnehagetvang. Er dette noe som Gunn Karin Gjul støtter? Jeg synes det er interessant å høre på Fremskrittspartiet når de snakker om kvinners valgfrihet. Det valfarter delegasjoner fra alle verdens land for å se på hvilke muligheter vi har gitt kvinner i Norge. Kvinner i Norge har langt større valgfrihet enn noen andre kvinner i verden. Vi har faktisk muligheten til å kunne kombinere – det å ha små barn samtidig som vi er yrkesaktive. Det er ikke vi politikere som har funnet på at vi skal bygge barnehageplasser. Det har vært et massivt krav fra kvinner helt siden 1970-tallet – gjennom kvinnekuppet ved kommunevalget

en slik debatt velkommen. Også vi mener at Arbeiderpartiets familiepolitikk har gått ut på dato, og det har blitt behov for endringer. Men dessverre er det lite nytenkning som kommer i utspillene fra familiepolitikerne i Arbeiderpartiet. Tvang er nå det nye honnørordet i Arbeiderpartiets familiepolitikk. Man skal tvinge foreldrene til å dele foreldrepermisjonen akkurat likt mellom seg. Man skal nå tvinge foreldrene til å sende ungene til barnehagen, og fravær av grensesetting og tydelighet fra foreldre skal Arbeiderpartiet erstatte med at staten nå skal ta omsorgen for ungene våre. Representanten Gjul svarte ikke på spørsmålet fra representanten Horne: Er det slik at Arbeiderpartiet og regjeringen nå beveger seg mot mer tvang for å ha barn i barnehage? Jeg synes det er interessant å høre at både Høyre og Fremskrittspartiet bruker samme argumentasjon som man har brukt helt noe vi faktisk mener er særdeles moderne, er det det at kvinner kan tjene sin egen lønn og være uavhengig av menn, at kvinner selv kan få velge om de vil få barn samtidig som man er yrkesaktiv. Det er en moderne familiepolitikk, og det er valgfrihet. Det tror jeg faktisk norske kvinner ønsker. Det er ikke tvang når kvinner og familier selv velger å ha ungene i barnehagen. Vi har ikke konstruert opp behov for og etterspørsel etter barnehageplasser, det er faktisk et ønske som alle småbarnsforeldre har hatt. har hatt. Vi kan huske at for bare noen få år tilbake lå småbarnsforeldre søvnløse om natten og var bekymret for hva man skulle gjøre med den lille poden når foreldrepermisjonen gikk ut, og man ikke hadde en barnehageplass. Det er ufrihet. Arbeiderpartiets familiepolitikk er særdeles moderne. Det er det som etterspørres av småbarnsforeldre. Representanten Gjul snakker varmt om valgfrihet. Det er jo interessant. Vi ser fra siste

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har skrevet inn i innstillingen som vi i dag behandler. Der heter det: «De velferdsordningene vi har, skal gjenspeile de behov og de liv familiene lever.» Videre heter det: «Derfor må familiepolitikken være i takt med tida, og de velferdsordningene vi har, skal være de tydelige signalene om valgfrihet fra representanten Gjul og de merknadene man nå har skrevet, at vi kan forvente en mer positiv holdning til kontantstøtten fra de rød-grønne i

de barnehage framfor kontantstøtte. Vi ser også – hvis vi ser i en by som Oslo – hvem som bruker kontantstøtten. Hoveddelen av dem som bruker kontantstøtte her i byen, er innvandrerfamilier – familier der barnet definitivt hadde hatt godt av å gå i barnehagen, ikke minst på grunn av språkutviklingen. Så Arbeiderpartiet synes ikke at kontantstøtteordningen er en bedre ordning i dag enn da den ble innført i

barnevern. Skillelinjene mellom den rød-grønne regjeringen og høyresiden kommer veldig tydelig fram i familiepolitikken. For Fremskrittspartiet er familien viktig. Det er viktig å ha en aktiv og god familiepolitikk. Man skal ikke glemme at familien faktisk er den viktigste pilaren i dagens samfunn. samfunn. Fremskrittspartiet mener at å satse på familiene også vil være å satse tydelig på samfunnsgevinster, både på kort og lang sikt. For Fremskrittspartiet er det viktig å gi familiene frihet: valgfrihet. Frihet i hverdagen, muligheter for valgfrihet og råderett over sin egen familiesituasjon er alfa og omega i denne saken.

Det er rett og slett skremmende lesning: barnehagetvang, statlig foreldrerådgiving, statlig ubegrenset mekling – staten, staten, er det man kan lese om her. Arbeiderpartiet ser ut til å ville ha en formynderstat. Dette er en utvikling som Fremskrittspartiet vil ta sterkt avstand fra. Det er faktisk ikke staten som eier barna; det er foreldrene som har ansvaret for å gi dem en god oppvekst. Da er det opp til oss politikere til oss politikere å legge forholdene til rette og styrke foreldrenes rolle overfor barna. Det offentlige kan faktisk ikke erstatte det. Flere ganger denne høsten har vi også hørt at Norge er et av verdens beste land å bo i, og det er det. Og jeg skal være enig med komitélederen i at Norge faktisk har en av de beste foreldrepermisjonsordningene, og at det er mange som kommer til Norge for å se hvor gode ordninger vi har.

komme først. Familiene skal selv få lov til å ha råderett over sin egen hverdag og selv få lov til å bestemme hvordan de vil fordele disse ukene. Man får telefoner og mailer fra fortvilte foreldre som nesten sitter og gråter i telefonen fordi de lurer på hvordan de skal fordele disse ukene. For det er ikke alle som jobber i stat og kommune. Det er faktisk bønder der ute, det er rørleggere, det er snekkere som driver enkeltmannsforetak, som ikke har mulighet til å ta ut ti uker fedrekvote. Og hva er det som skjer da, når mor ikke kan få lov til å overta disse ukene? Jo, det er at barnet må i barnehage, eller annet. Det vil si at det ikke er barns beste som blir satt i fokus med denne regjeringen. Derfor vil Fremskrittspartiet sterkt advare mot å utvide fedrekvoten.

I fjorårets budsjett var det et flertall som understreket viktigheten av å sette inn ytterligere tiltak for å få bedre kontroll på bruken av ressurser i det statlige barnevernet. Og nå virker det som om det er statlig barnevern som er alfa og omega. Vi kommer i debatten sikkert til å høre – og har hørt det de siste

på å flytte på penger og å kutte på penger. Fremskrittspartiet ønsker å styrke det kommunale barnevernet. For vi har sett flere ganger – vi hadde møte med KS for ikke så lenge siden – at kommunene ber om å få mer midler til det kommunale barnevernet. Det er kommunene som vet hvor skoen trykker, det er kommunene som er førstelinjetjenesten og har nærhet til barna. KS og kommunene klager over at de ikke får kontakt med det statlige barnevernet, der ute som trenger hjelp av staten, og da må vi kunne gi pengene til kommunene. Det er derfor Fremskrittspartiet ønsker å styrke det kommunale barnevernet med 200 000. Da flytter vi penger fra det statlige barnevernet over til det kommunale barnevernet. Så er det sånn at denne regjeringen tror at alt blir løst med fosterfamilier. Situasjonen i dag er at vi faktisk ikke har nok fosterfamilier til å ta vare på de barna som trenger hjelp. Og i den perioden, fram til vi klarer å få nye fosterfamilier, trenger vi også institusjonsplasser.

de siste månedene sett at de private bare har blitt

Og når vi vet at kommunene har lite penger, og pengene til barnehagene er gått inn i rammen, så frykter Fremskrittspartiet at vi kommer til å se stor forskjellsbehandling av barnehagene ute i kommunene. Derfor vil jeg be statsråden framover følge nøye med på hvordan kommunene opprettholder barnehagetilbudet, slik at vi ser at de barna som trenger barnehage, får det. Så ønsker Fremskrittspartiet også å få likestilt offentlige og private barnehager. Jeg tror det vi kommer til å se nå, er at det er altfor tidlig å legge det inn i rammen, når en ikke har fått 100 pst. likestilling av barnehager. Derfor er det svært beklagelig at denne regjeringen ikke har klart å følge opp det Barnehageløftet som ble vedtatt, om at en skal 100 pst. likestille private og offentlige barnehager.
Presidenten vil minne om – i og med at det ble nevnt at statsråd Lysbakken ikke er til stede, noe som er rimelig i og med at statsråden har permisjon – at Stortinget har fått varsel fra statsråd om at den statsråd som bestyrer departementet, er statsråd Tora Aasland, som er til Det blir åpnet for replikkordskifte. Framstegspartiet skriv i eigen merknad at statleg politikk innanfor likestillings- og diskrimineringsarbeidet er eit stort feilgrep. I 2009 fekk Likestillings- og diskrimineringsombodet inn 302 klagesaker og gav rettleiing i 1 624 saker. Eit eksempel er Hanne, som i 2006 blei utelaten frå lønnsforhandlingane fordi ho var i foreldrepermisjon. Her blei konklusjonen frå ombodet at arbeidsgjevaren hadde brote lovverket, og saka ordna seg. Det hjelpte ikkje Hanne å ha rett, før ho juridisk sett fekk rett. Framstegspartiet sitt forslag om å leggje ned ombodet er nedlatande overfor Hanne og alle dei som har følt seg diskriminerte. Var det ifølgje Framstegspartiet eit stort feilgrep at Hanne fekk hjelp? Korleis kan Framstegspartiet forsvare at personar som blir diskriminerte og heller ikkje har råd til å gå rettens veg, berre skal klare seg sjølve, slik dei formulerer seg i alternativt statsbudsjett? Det er jo en kjensgjerning at Fremskrittspartiet i alle år har vært imot at vi skal ha et likestillings- og diskrimineringsombud. Derfor har Fremskrittspartiet fremmet forslag om at dette skal legges ned. Det er et forslag som jeg ikke har noe problem med å forsvare, for jeg vil påpeke at vi i Fremskrittspartiet er imot enhver form for diskriminering. Men vi mener at vi har et regelverk, og det regelverket trenger vi ikke en likestillings- og diskrimineringsnemnd for å opprettholde – det har vi et rettsvesen for i dag. Og den saken representanten viste til, viser at hun hadde rett: Der var det et lovverk som ivaretok dette – rettsvesenet kan ivareta det. Vi trenger ikke en egen likestillings- og diskrimineringsnemnd for å opprettholde det.

Vi har mulighet til å kombinere familie og jobb. Regjeringen har faktisk styrket og utvidet ordningen med nye uker. Dette gjør at familien får enda mer tid i lag – noe som er positivt. For dem som har opptjent rettigheter, er det eneste kravet for å kunne ta ut hele permisjonen at både mor av sitt liv med det nye familiemedlemmet, noe som kan være både rimelig og ønskelig i familiepolitisk sammenheng, i og med at det er viktig at mor og far deler på dette ansvaret. Disse familiene er ofte dem som klarer seg best, viser en del forskning. Så da lurer jeg på hvordan dette ganske rimelige kravet med å prioritere 12 uker med et nytt familiemedlem kan være en «sosialistisk tvangstrøye», som Fremskrittspartiet skriver i sine

Men det finnes én gruppe Fremskrittspartiet ikke unner valgfrihet, og det er den gruppen som er forelsket i noen av samme kjønn. Derfor lurer jeg på, når Fremskrittspartiet fremmer individ som verdi – at det er våre valg som skal avgjøre – hvorfor Fremskrittspartiet ikke vil at disse menneskene skal ha valgfrihet til å gifte seg med hvem de vil? Hvis jeg ikke husker feil, var det nesten en slik replikk jeg fikk i fjor For Fremskrittspartiet er valgfriheten veldig viktig, og friheten for enkeltmennesket står sterkt i Fremskrittspartiets partiprogram. Fremskrittspartiet er imot enhver diskriminering, når det gjelder rase, religion og kjønn, og vi mener at det ikke trengs egne regler for lesbiske og homofile. Derfor er vi imot at det skal være egne særregler for dem. Så tok representanten opp dette med at lesbiske og homofile ikke kan få gifte seg – det

om barns oppvekst. Derfor vil Høyre gi familien muligheten til selvstendighet og innflytelse over oppdragelsen av og omsorgen for sine barn, samtidig som vi ønsker å sikre den valgfrihet og mulighet til å ta ansvar for seg selv og sine nærmeste. Komiteen fikk en henvendelse for litt siden fra en frustrert mor. Mannen hennes var bonde, og han fikk ikke ta ut fedrekvoten sin under ett etter at hennes permisjon var over på grunn av jobben som bonde. Det resulterte i at barnet måtte i barnehagen da det var åtte måneder. Barnet og faren mistet verdifull tid sammen. Dette er et resultat av regjeringens familiepolitikk. Barnets og familiens velferd blir ofret for likestillingen. I sin iver etter å overstyre og regulere familien til folk flest detaljstyrer regjeringen familielivet, og det på bekostning av barna. Hensynet til barnets beste er Høyres utgangspunkt for barne- og familiepolitikken. Alle barn har krav på trygghet og god omsorg. Barndommen er med på å forme oss som mennesker og samfunnsborgere. Barn er sårbare mennesker og har behov for å bli ivaretatt av gode og trygge voksne. Høyre vil fremheve det personlige ansvaret hver enkelt av oss har for å varsle om barn som på ulike måter lider. Ofte hører vi krav om at kommunene og staten må på banen for å sørge for at barn skal ha det bra. Kommunene og staten kan aldri erstatte nettverket, naboene og lokalmiljøet rundt barnet. Det erstatte nettverket, naboene og lokalmiljøet rundt barnet. Det er der det oppdages først når noe er galt, og det er der man kan redde et barn hvis man reagerer i tide. Derfor sier vi i Høyre: Ikke glem det personlige ansvaret hver enkelt av oss har. Ikke glem at det er vi som voksenpersoner som må si fra når vi har mistanke om at noe er galt. Mange barn har en fantastisk barnehage å gå til. Men det er fortsatt store utfordringer når det kommer til kvaliteten i barnehagen. Høyre håper at regjeringen nå fremover vil begynne å engasjere seg mer i innholdet i barnehagen. Det er en stor utfordring å sikre en tilstrekkelig og kompetent bemanning. Hardt press på utbygging har åpenbart fått negative konsekvenser i noe som gjenspeiles i en stadig økning i antall dispensasjoner fra pedagogkravet og flere barn per ansatt på grunn av økningen i antall barn under tre år. Dette er ikke en situasjon Høyre er fornøyd med. Derfor setter vi av 30 mill. kr mer til kvalitet i barnehagene i årets budsjett sammenlignet med det regjeringen gjør. Høyre mener at alle foreldre som ønsker et barnehagetilbud for sine barn, skal få muligheten til det. De foreldrene med lavest inntekt, som før maksprisordningen hadde laveste sats, har nå fått en økning i foreldrebetalingen, mens de med høyest inntekt har fått en nedjustering på over 30 pst. i sine barnehageutgifter. Det ser ut til at regjeringen er tilfreds med at sånn skal det være. Høyre mener at det er grunnlag for å heve maksimumssatsen noe og heller innføre sånn skal det være. Høyre mener at det er grunnlag for å heve maksimumssatsen noe og heller innføre inntektsgradert foreldrebetaling, slik at også de med lavest inntekt har muligheten til å sende sine barn i barnehage. Derfor bevilger vi 150 mill. kr ekstra sammenlignet med regjeringens budsjett, slik at de familiene med laveste inntektsnivå For Høyre handler kontantstøtten om foreldres rett og frihet til å velge omsorg for sine barn og hva som er til det beste for det enkelte barn. Vi må derfor gjøre det mulig for flere å bruke tid hjemme i barnas aller første leveår hvis de ønsker dette, og Høyre støtter derfor Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, og den er det viktig å ivareta. På denne måten sikrer vi at barn får en trygg og god start på livet, og at foreldrene får ta del i den verdifulle tiden de har sammen med barnet det første året. Høyre ønsker å anerkjenne mor og far som likeverdige omsorgspersoner ved å gi foreldre mulighet til å dele hele permisjonstiden mellom seg og gi begge foreldrene selvstendig opptjeningsrett. Et godt barnevern er et barnevern med stort mangfold av tiltak og tilbud, med høy kvalitet. Alle barn som underlegges barnevernets omsorg, har krav på et godt, tilpasset tilbud. Når staten overtar foreldreansvaret for barn, påtar den seg et særlig stort ansvar for disse barna. Høyre er derfor svært bekymret over de mange eksemplene på barn som sviktes av det offentlige, og fordi at det er tall som sier oss at det øker. I årets statsbudsjett prioriterer derfor Høyre å hjelpe flere barn ute i kommunene fremfor å bruke mer penger på et massivt byråkrati i Bufetat her i Oslo. Derfor omprioriterer Høyre 300 mill. kr i det statlige barnevernsbyråkratiet for å kunne bruke disse pengene på barnevelferd ute i kommunene og på private institusjonsplasser. I likhet med regjeringspartiene ønsker vi å styrke førstelinjen, og ifølge regjeringspartiene selv er det den viktigste barnevernssatsingen som er gjort noen gang. Høyre er enig i det. Men vi styrker den satsingen med 160 mill. kr mer enn det regjeringen gjør, fordi vi er opptatt av at kommunene skal kunne hjelpe de barna som trenger det der ute. Det er de som ser dem. Det er de som har mulighet til å forebygge, og det er de som har mulighet til å sette inn riktige tiltak. Det nytter ikke å bruke penger på mer barnevernsbyråkrati før man har folk ute som kan hjelpe de barna det blir fattet vedtak om. Noen kommuner har et velfungerende barnevern, mens andre sliter med lite ressurser og lange restanser. I dag står altfor mange barn i kø for å få fosterfamilie og for å få institusjonsplass. Flere tusen barnevernssaker henlegges hvert år. Alle disse tallene øker. De

hvor vi har så store utfordringer, og hvor det er så mange barn som lider fordi det er tafatte og lite handlekraftige politikere på feltet. I Høyre har vi et veldig sterkt engasjement for barna i barnevernet. Vi lytter til barna, vi lytter til foreldre, og vi lytter til de ansatte i sektoren. Vi lytter til kommunene, vi lytter til fylkesmennene som har tilsynsansvaret.

i Høyre foreslår derfor disse endringene i vårt budsjett. Det er vi stolt av. Vi omprioriterer penger for å kunne gi barn et bedre barnevernstilbud og for å gjøre dem bedre rustet for fremtiden. Høyre er bekymret over de tendensen vi ser fra regjeringspartiene. I større og større grad ønsker de å statliggjøre familiene og omsorgen for deres nærmeste. dem bedre rustet for fremtiden. Høyre er bekymret over de tendensen vi ser fra regjeringspartiene. I større og større grad ønsker de å statliggjøre familiene og omsorgen for deres nærmeste. De ønsker mer bruk av tvang, både i familien, i omsorgen for barna og i barnehagene. Men er det slik at vi får et bedre samfunn ved å tvinge alle barn i barnehage? Er det slik at vi får et bedre samfunn ved å tvinge foreldre til å Det offentlige må aldri tro at de bedre klarer den oppgaven familien har tatt seg av i tusenvis av år. Høyres ambisjon er derfor at det offentlige må være der for de barna som faktisk trenger det, og så må vi gi de andre muligheten til å stå på egne ben. Jeg tar opp de forslag som Høyre er medforslagsstiller til. Representanten Linda C. Hofstad Helleland har

Men da begynner jeg å stusse litt over forslaget. For ser vi på det Stortinget har vedtatt tidligere, ble jo dette innført allerede fra 1. juli 2009 – alle fedre i familier der mor går tilbake til jobb, har rett til å ta ut 47 uker av foreldrepermisjonen. Så jeg lurer på hva det egentlig er Høyre ønsker å foreslå, når dette allerede ble vedtatt fra uker av foreldrepermisjonen. Så jeg lurer på hva det egentlig er Høyre ønsker å foreslå, når dette allerede ble vedtatt fra 1. juli 2009. Høyres utgangspunkt når det gjelder foreldrepermisjon, er at vi skal gi like muligheter og rettigheter til mor og far. Det har også regjeringen sagt at den ønsker. Det med å gi like rettigheter til far har man åpenbart lagt bort. Når Høyre har lagt inn dette forslaget i budsjettet, er det basert på fra Statsministerens kontor og fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er på den bakgrunn vi har kommet med vårt forslag. Jeg registrerer at statsminister Stoltenberg nesten en uke etter artikkelen i Aftenposten prøvde å komme på en sak om at Høyre lyver. Aftenposten har fått seg forelagt svarene og brevene fra Finansdepartementet likestillingsdepartementet, der de sier at hvis de har gjort en feil, er det greit – men det må statsministeren ta opp med sitt embetsverk. Så jeg tror det heller er representanten Gjul som bedre er i stand til å svare på hvordan embetsverket svarer. Men vi ønsker selvstendig opptjeningsrett for far, og det står vi for.

muligheten til å sende barna sine i barnehage, ikke bare de med romslig økonomi, som regjeringen nå legger opp til. Derfor er vi veldig glad for at det forslaget blir tatt godt imot. Vi mener at alle foreldre som ønsker å sende barna sine i barnehage, skal ha muligheten til det, selv om de ikke har økonomi til det. Det er derfor vi har satt av 150 mill. kr. Vi ønsker fortsatt å gi alle familiene valgfrihet – ikke slik som regjeringspartiene tar til orde for, som ønsker å tvinge barna i barnehage. Vi ønsker at det skal være opp til foreldrene selv. Det tror jeg også foreldre setter pris på. Representanten

Det gjør også regjeringen i sitt budsjett. Høyre argumenterer også med at mer av arbeidet burde gjøres i det kommunale barnevernet og burde gjøres lokalt. Jeg kan være enig i det også, og at mindre byråkrati kan være et av resultatene hvis kommunene får mer oppgaver enn de har i dag. Men Høyre flytter jo ikke oppgaver i budsjettet, kun midler – noen hundre millioner kroner, dvs. at det er jo det kuttes i og ikke byråkrati når man gjør dette over natten. Da må man jo eventuelt ha en ny oppgavefordeling hvis målet skal være å kutte byråkrati. Derfor lurer jeg på hvordan dette kan være å styrke barnevernet og være en reduksjon i byråkratiet, når man velger å gjøre det på denne måten?

til førstelinjen, overfør mer penger til det kommunale barnevernet. Det samme sa KS i dette møtet, og vi ser at alle kommuner kommer til Stortinget og ber oss om å styrke førstelinjen. Det er de som ser de barna som har det vanskelig, det er de som tidlig kan gripe inn og

Vi nyter høy likestilling sammenlignet med resten av verden. Men på tross av det er det fremdeles slik at to av tre ledere i næringslivet er menn, kvinner tjener 15 pst. mindre enn menn i timen, 43 pst. av alle kvinner jobber deltid, kvinner bruker mer enn dobbelt så mye tid på husarbeid som menn, og krisesentrene melder om mellom 8 000 og 16 000 voldtekter i året. Disse tallene forteller at hva du opplever og hvilke muligheter du har, henger sammen med hvilket kjønn du har. Norge er ikke et likestilt samfunn. Vi som havnet under det rosa teppet på fødeklinikken, tjener systematisk mindre penger og har systematisk mindre makt enn de som havnet under det blå. I SV har vi alltid vært opptatt av denne urettferdigheten, og derfor bruker vi regjeringsmakten på å gjøre noe med det. Barnehagereformen er ikke bare en stor velferdsreform, den er også en stor likestillingsreform. Kampen for barnehagene var kampen for et skikkelig tilbud for barn, men også en del av kampen for kvinners rett til og mulighet til å arbeide. Retten til arbeid og egen inntekt er grunnsteinen i kvinnefrigjøringen. Ingen er frie eller selvstendige dersom de er økonomisk avhengig av andre. Derfor er også arbeidet for likelønn og arbeidet for bedre fordeling De rikeste i Norge er stort sett menn. Derfor er ikke høyresidens skattelettelser til de rikeste bare dårlig fordelingspolitikk – og det er virkelig dårlig fordelingspolitikk – det er også dårlig likelønnspolitikk. Skattelettene vil øke forskjellene mellom folk, og det vil øke de I SV har vi motsatt agenda. Vi har bygget barnehager i hele Norges land, vi har lagt fram en melding om likelønn, og vi jobber hver eneste dag for å minske forskjellene og gjøre Norge til et likere og mer rettferdig samfunn. Dette budsjettet er også et godt budsjett for de barna som trenger det mest. Det er lenge siden barnevernet sto så høyt på dagsordenen som nå, og det er ikke ett minutt for tidlig! Det er lagt opp til 400 nye stillinger i dette budsjettet. Disse blir øremerket for å sikre at pengene blir brukt på de ungene som trenger hjelp. Dette er å ta tak i det umiddelbare problemet i barnevernet – gapet mellom ressurser og antall barn som trenger hjelp. Totalt styrker vi barnevernet med 390 mill. kr. Dette er det største løftet på over 20 år, og det er vi i SV stolte av å være med på. I tillegg til styrkingen av førstelinjetjenesten styrker vi også den statlige fosterhjemstjenesten og fylkesnemndene. Fremskrittspartiet og Høyres forslag om å kutte ½ mrd. kr til det statlige barnevernet har allerede vært mye omtalt, og jeg ser at de forsøker å ro seg unna. For de overfører pengene, men de overfører ikke tjenestene. Jeg tror at alle er enige om at vi har et byråkratiproblem i Bufetat, men hvis noen tror at det er et byråkrati der en kan kutte slike summer som ½ mrd. kr, må de tro om igjen. Forslaget betyr en rasering av det statlige barnevernet. Kuttet tilsvarer omtrent 830 årsverk, eller hundrevis av institusjonsplasser, eller at vi må droppe den satsingen som vi har lansert på statlige fosterhjem.

når vi ser budsjettet i år, kan man vel si det slik at en del av disse tingene som representanten Barstad viser til, ikke hadde vært gjennomført hvis man ikke hadde kuttet også på asylsøkere. Så mitt spørsmål er: Er representanten Barstad bekvem med og glad for den innvandrings- og asylpolitikken som regjeringen fører? Barstad bekvem med og glad for den innvandrings- og asylpolitikken som regjeringen fører? SV i regjering styrer mye, men vi styrer ikke hvem som kommer hit, eller hvem som ikke kommer hit. Grunnen til at det var kuttet i disse bevilgningene var nettopp at det kommer færre til Norge. Det handler om at vi skal ta vare på dem som kommer hit. Jeg holder fast på det jeg har sagt om at Fremskrittspartiet står for en inhuman asylpolitikk, og at de jobber konsekvent, hver dag, for at vi skal ha et strengere asylregime i Norge.

Derfor kommer også Høyre i budsjettet med konstruktive innspill, bl.a. omprioriteringer, og ikke kutt som representanten sikter til. De innspillene har vi fått fra mange rød-grønne ordførere rundt omkring. Når representanten Barstad har problemer med å forsvare, eller synes kanskje det er litt komplisert, at Høyre bevilger 160 mill. kr mer til førstelinjen enn det de gjør selv, går man ut med en pressemelding der man sier at det er respektløst at høyresiden leker russisk rulett med barnevernet. Synes representanten Barstad det er en konstruktiv måte å debattere barnevernet på? Vi har det øverste ansvaret for barnevernet, det er i vår interesse

kroner. De kuttene tilsvarer 830 årsverk og mange institusjonsplasser. Jeg har lyst til å minne om at det statlige barnevernet tar seg av de barna som trenger det aller mest. Dermed synes jeg at høyresiden maler med en svært bred pensel i sine forslag, og at det er litt spesielt at man kritiserer de kuttforslagene som er gjort. Konsekvensen av det forslaget vil være mindre kompetanse, mindre hjelp til de ungene som i dag får hjelp av det statlige

som de to andre sektorene, finnes det ingen tilsvarende opptrappingsplan, det finnes ingen tilsvarende tidsfrist – det finnes ikke noe tilsvarende trykk for å komme i mål innen en gitt frist. Er representanten Barstad stolt av Barstad stolt av regjeringens prioriteringer i så henseende? Jeg er stolt av regjeringens prioriteringer på barnevernsfeltet, og jeg er stolt av at mitt eget parti har vært med på å sette dette aller høyest på den politiske dagsordenen det siste året. Det er jeg stolt av. Jeg er stolt av at vi har en opptrappingsplan. Man må tenke på at vi har flere problemstillinger i barnevernet. Den ene er den umiddelbare problemstillingen som handler om å få flere stillinger inn i barnevernet nå, for de klarer ikke å behandle de sakene de har. Og det andre er den strukturelle problemstillingen. Da vil SV prøve å unngå å gjøre den feilen som ble gjort forrige gang man hadde en stor barnevernsreform, og det var å trekke ned en reform over hodet på de

Det kommunale barnevernet har et stort arbeidspress og et veldig stort ansvar. Det er de som er førstelinjen, og det er de som driver forebygging. Da trenger de både mer ressurser, mer kompetanse og flere tiltak i det kommunale barnevernet. Det gjør vi ved at vi på årets budsjett bevilger 240 mill. kr som skal gå til nye stillinger i barnevernet, eller til andre tiltak som kan bidra til kompetanseheving i barnevernet. Det er ikke en engangssatsing, men det er et løft som det er viktig at vi er med og følger opp i de nærmeste årene. Senterpartiet vil priortiere det kommunale barnevernet. Høy kompetanse der er med på å sikre at vi får en kvalitet på den jobben som utføres. Gjennom god fagkunnskap hos ansatte i barnevernet sikrer vi at det alltid er ungenes behov som blir satt først, og at de ansatte blir enda flinkere til å se ungenes behov og de utfordringene de har på hjemmebane.

Men familien er på mange måter under sterkt press. Med de endringene som skjer i arbeidslivet og generelle samfunnsendringer, dukker det opp nye problemstillinger. Det må vi også ta på alvor. I denne sammenhengen er familievernet veldig viktig. Familievernkontor finnes over hele landet, og de har en viktig rolle når det gjelder både parterapi og konfliktløsning. Familiekontoret skal være den naturlige plassen å søke hjelp for samlivsproblemer eller mekling.

Det er positivt at departementet har hatt en gjennomgang av familievernet for å vurdere om det tilbudet vi har i dag, er tilpasset det behovet som finnes, og jeg ser fram til en diskusjon rundt eventuelle endringer i familievernets rolle og organisering etter den interne evalueringen som har vært. Vi har i Norge veldig gode og fleksible velferdsordninger i forbindelse med fødsel og omsorg for barn,

Det er viktig at fedre i enda større grad deltar aktivt i det nyfødte barnets hverdag. Selv om det har vært en stor utvikling de siste 10–15 årene rundt menns omsorg for egne barn, har vi fortsatt en ganske lang vei å gå før vi kan si at vi har et likestilt foreldreskap i Norge. Det er også noe som blir bekreftet av flere i næringslivet. Det er også forsket på at fedrekvoten har effekt på lang sikt ved at far tar større ansvar for barna også når de blir Hvis man ikke får gjort noe med målet om likestilling i ansvar for barn og familie, vil det også virke negativt inn på andre mål vi har satt oss, bl.a. rundt lønnsgapet mellom kvinner og menn. Dette er et felt som også vil bli diskutert mye framover. Det som er viktig for Senterpartiet, er at vi klarer å vektlegge både behovet den enkelte familien har for å organisere seg som den vil, samtidig som vi stiller krav til de ordningene og de statlige midlene vi faktisk bruker på at vi har verdens beste foreldrepermisjonsordning i Norge. Det må vi ikke glemme når vi diskuterer innretningen og detaljene i den ordningen vi har i dag.

Når komiteen har møte med KS, er det helt klare signaler som kommer – de kritiserer det byråkratiet som det blir lagt opp til nå, og mangelen på tillit til kommunene. Regjeringen legger opp til at de skal øke bevilgningene, men man må søke fylkesmannen om disse pengene. Ordføreren fra Steinkjer, som er fra Senterpartiet, sier at det er lagt opp til en dyr og byråkratisk prosess for å fordele småpenger. Steinkjer-ordføreren reagerer også på det han mener er en manglende tillit fra regjeringen til at det er kommunene som er de nærmeste til å finne de beste løsningene i barnevernet. Mitt spørsmål til representanten fra Senterpartiet blir da: Er representanten enig i senterpartiordføreren fra Steinkjer sin kritikk av regjeringen for manglende tillit til
Jeg er enig i at vi har utfordringer med byråkratiet i det statlige barnevernet, og det ønsker vi å se på når vi skal ha den evalueringen av barnevernet som er Så er det viktig å nevne at Steinkjer-ordføreren også snakket om at man har prioritert veldig mye også på forebygging. Det er nettopp noe som er prioritert gjennom økte midler fra regjeringen til kommunene, og har vært med og styrket bl.a. kommuneøkonomien, som igjen er med på å gjøre at vi kan styrke barnevernet i kommunene, slik man bl.a. har gjort på Steinkjer. Så har ikke jeg heller sagt at denne ordningen er den vi skal ha i alle år framover. framover. Nå må vi se på hvordan denne ordningen fungerer. Den har jo ennå ikke trådt i kraft. Det er viktig å se hva slags effekt den får. Jeg er villig til å diskutere om vi skal ha noen andre innretninger på den ordningen. Men det som er viktig å si, som både ordføreren på Steinkjer og mange andre har sagt, er at det er viktig at vi nå kommer med midler som er prioritert til barnevernet. Så kan vi gjerne se på hvordan disse midlene skal fordeles. Det viktigste er at pengene nå er på bordet.

er Senterpartiet imot tvang, i hvert fall ute i kommunene. Jeg synes ikke det er noe rart at vi får, i hvert fall hos oss, veldig mange frustrerte og bekymrede tilbakemeldinger fra mange foreldre, særlig mange bønder, som er veldig skuffet over at Senterpartiet nå innfører tvang og kvoteordninger i foreldrepermisjonen, og som er skuffet over at man i regjeringspartiene også tar til orde for tvang i barnehage. Det er også mange som er bekymret for at Senterpartiet er med på korstoget mot private barnevernsinstitusjoner. Det er flere senterpartifolk som driver private barnevernsinstitusjoner rundt omkring i landet. Er det sånn at Senterpartiet er komfortabel med at og et korstog mot private aktører er riktig linje på dette området

Der er det en veldig fleksibel ordning vi har. Fedrekvoten er jo en mulighet, og ikke tvang. Når det gjelder private barnevernsinstitusjoner, vil jeg heller ikke si at det er et korstog mot dem. I våre merknader kan representanten Hofstad Helleland lese at hele regjeringen legger til grunn at det er barnets beste som skal ligge til grunn. Så i tilfellene det er private barnevernsinstitusjoner som er den beste løsningen for ungene, er det de institusjonene som skal velges. Det er vårt utgangspunkt også videre. Vi er gjerne med og diskuterer hvordan denne fordelingen skal gjøres, og det er det også lagt opp til i den evalueringen av barnevernet som er varslet. Representanten

Jeg kan si for mitt vedkommende at jeg i hvert fall gleder meg over Senterpartiets omsorg for familievernet. Representanten Ramsøy er faktisk den eneste representanten fra de rød-grønne som snakker med entusiasme om familievernet. Det har jeg også merket meg tidligere. Det er en omsorg som om mulig er enda mer troverdig enn Høyres omsorg for norske bønder. Så får vi håpe at det også gir seg utslag i politiske gjennomslag i den rød-grønne regjeringen. Mitt spørsmål dreier seg om de ideelle institusjonene i barnevernet. I går kveld behandlet vi en sak der flertallet i denne salen sa at det haster med å få på plass mer langsiktige rammebetingelser fordi de faktisk er i ferd med å dø ut. Så spørsmålet er: Hva vil Senterpartiet bidra med i det rød-grønne flertallet for å sikre at det faktisk blir handling ut av ord, og at vi redder de ideelle institusjonene i barnevernet?
Det er en veldig viktig debatt som representanten fra Kristelig Folkeparti løfter fram. Mange av svarene fra Senterpartiet kom under debatten i går. Jeg tror at det vi er nødt til å gjøre på dette feltet, er ganske mange ting. Vi er nødt til å se på hvordan vi legger opp hele det anbudssystemet vi har i dag. I den evalueringen som er varslet av gjennomgangen av barnevernet, skal man også se på forholdet mellom institusjoner og Da er vi nødt til å se på hva slags institusjoner vi ønsker å bruke. Vi må vurdere størrelsen på institusjonene: Hvem er det som passer best? Jeg tror mange av de kriteriene vi legger til grunn, vil komme nettopp på den bruken av institusjonene som representanten fra Kristelig Folkeparti er innom. Et av tiltakene er å se på hele systemet, hvordan det er lagt opp i dag, og få det mer

Budsjettdebattene i Stortinget denne høsten står i sterk kontrast til de tilsvarende debattene i våre gode naboland rundt oss. Tv-bilder av rasende demonstranter som protesterer mot ulike budsjettforslag i ulike europeiske land, er blitt dagligdags. Vi har kommet bedre ut av finanskrisen enn de fleste andre land. Det er plass til videreutvikling av velferdstjenestene våre, og vi legger planer for nye Flere medier, som Aftenposten, NRK og andre, har i høst brakt nærgående reportasjer om enkeltmenneskers skjebne i kjølvannet av kuttene i offentlige budsjetter, som nå gjennomføres i nabolandene våre. Historiene viser noe som kanskje er selvfølgelig, men likevel til ettertanke. De som strever med å få endene til å møtes når velferdsgodene kuttes, støtter seg på sine nærmeste, familiemedlemmer som kan tre støttende til. Nå var også familierelasjonene der lenge før kommune og stat ble oppfunnet. I den norske budsjettdebatten legges det ned et enormt engasjement og enorm ressursbruk i alt som er skakt og skeivt i samfunnet og i folks liv, og som bør repareres. Et av de store paradoksene er hvor lite interesse det er for å stille det enkle spørsmålet: Hvorfor? Hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer igjen? Å styrke og støtte opp om de nærmeste relasjonene folk har i sin hverdag, styrker hver enkelt av oss. Det styrker vår motstandskraft mot de utfordringene som livet gir oss, det gjør oss mindre sårbare, og det styrker fellesskapet. Hvorfor er det nok en budsjettdebatt i familiekomiteen uten at familievernet løftes fram som en satsing? Hvorfor er ikke de små bevilgningene til samlivskurs doblet, tredoblet eller Det hadde, for å si det forsiktig, ikke gitt utslag på verken handlingsregel, rente eller kronekurs. Det våger jeg å påstå med en tidligere finansminister i salen. La meg sitere fra Frode Thuen, som skrev en artikkel i Aftenposten nylig,

Hvorfor koster det så mye å løfte bevilgningene så lite til det som betyr aller mest for aller flest? Den rød-grønne regjeringen makter ikke å finne plass til disse relativt små beløpene, Den rød-grønne regjeringen makter ikke å finne plass til disse relativt små beløpene, men greier til og med å kutte i samlivskurs som Godt samliv! og Hva med oss?. Kristelig Folkeparti er glad for at flertallet i en merknad presiserer at man innenfor rammen for tiltak til funksjonshemmede skal sikre Hva med oss? for neste år, men venter spent på fortsettelsen for senere år. Det er manglende prioritering og oppmerksomhet som gjør en slik glipp mulig. Det er manglende prioritering og oppmerksomhet som gjør at politisk ledelse i departementet klarer å gi opptil flere innbyrdes

Det blir mer til kommunene og mer til fylkesnemndene. Bra! Det er bare det at ingen vet hva som skal skje neste budsjett. Rådmennene vet ikke hva de skal gjøre med penger de ikke vet om de har om et halvt år etter at de får virkning. Tiltakene vil virke først i annet halvår med Regjeringens opplegg. Kommunene fikk klar beskjed om at barnehagesatsingen varte til vi har plass til alle. I barnevernet får vi se det an og håpe det beste. Neste år kan barnevernet være taper eller vinner. Folkeparti venter i spenning og har ikke tenkt å gi opp kampen før vi har et fullverdig barnevern med en opptrappingsplan om full dekning i alle ledd. Problemet er at ungene ikke har tid til å vente. Det bekymrer meg at vi merker en barnevernsdebatt der de rød-grønne representantene er selvtilfreds med det man har levert så langt i statsbudsjettet, og er veldig fornøyd med at man har funnet svakhetspunkt i Høyres og Fremskrittspartiets budsjetter, som man kan kritisere dem for, men så sier sier man ikke ett ord om hva man vil for framtiden, så sier man ikke ett ord om hva man har tenkt å gjøre i 2012 og 2013 og hvordan man skal trappe opp barnevernet til det har et anstendig nivå og ungene faktisk har fått et hjem og fått omsorg og tilbud som de sårt trenger.

både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å invitere med Kristelig Folkeparti i regjering. Vi merker også en betydelig interesse fra den andre siden av banehalvdelen, for å si det sånn, og det tar vi i Kristelig Folkeparti som en stor tillitserklæring. Som jeg sa i mitt innlegg, er vi opptatt av å bygge opp om de verdiene som betyr mest for folk, om familieverdiene, nærmiljøverdiene, lokalsamfunnene, frivillighet og det som styrker fellesskapet. Vi er opptatt av ikke-materielle verdier, for vi tror at det er det som betyr mest når det kommer til stykket. Da slåss vi for det, da løfter vi fram det, og så får de andre partiene forholde seg til det. Hvis de ønsker vår gunst og ønsker et samarbeid, må man legge i bunnen de prioriteringene som vi ønsker. Vi skal slåss for de verdiene vi står for, og så skal vi samarbeide med de partiene som gir oss gjennomslag for de viktige sakene vi har på dagsordenen.

ekstra det er å gå i barnehage, for å få et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen. Har Kristelig Folkeparti noen kommentar til hva de ønsker å gjøre for å hjelpe disse barna? Vi hørte jo først i debatten et entusiastisk innlegg om valgfrihet fra fraksjonslederen for de rød-grønne i familiekomiteen. familiekomiteen. Hvis valgfrihet skal legges til grunn, må disse foreldrene få lov til velge hva slags omsorgsform de synes er best for sine unger. Da viser jo resultatene av det at de aller, aller fleste norske foreldre ønsker å bruke barnehage for ungene sine, i en eller annen form, enten man er norsk, eller man har innvandrerbakgrunn. Så ønsker veldig mange av dem igjen å blande det med ulike former for uttak av kontantstøtte i hele eller deler av kontantstøtteperioden. Hvis den valgfriheten skal gis norske foreldre, må den jo også kunne gis innvandrerforeldre, i tillit til at de velger fornuftig for sine unger. gjelder språkutvikling, er det viktig å minne om at kontantstøtten faktisk er for 1-åringer og 2-åringer, og du skal faktisk ha fylt tre, fire og fem år før du begynner på skolen. Det tror jeg er en utfordring som er fullt mulig å sikre, bl.a. med gratis kjernetid og andre tiltak, uten å ta fra foreldrene

Derfor har vi en omprioritering i forhold til regjeringas budsjett på 1,8 mrd. kr nettopp til det formålet. Flere av tiltakene ligger under de to rammeområdene som vi diskuterer i dag. Men jeg har også lyst til å løfte fram noen av de andre enkelttiltakene. For det første er Venstre en like entusiastisk tilhenger av barnehage som mange andre her på talerstolen. Jeg tror entusiasmen er å finne på alle fløyene, men vi syns det nå er viktig å ha fokus på kvalitet innenfor de barnehageplassene man faktisk har bygd. Derfor har vi et ønske om å plusse på forskning på feltet. Vi syns egentlig vi kan for lite om hva barnehage er, og hvilke metoder sektoren som fungerer best for barn. Vi ønsker også å ha en egen pakke for rekruttering av førskolelærere. Til det har vi satt av 25 mill. kr. Vi har lagt inn likebehandling av private og offentlige barnehager, og vi ønsker også gradert foreldrebetaling. Grunnen til det er at vi nå har hatt en reform når det gjelder foreldrebetaling i barnehagen. I veldig mange kommuner har det ført til at de med best råd har fått billigere barnehage, mens de med dårligst råd har fått dyrere eller ikke fått noen prisreduksjon. Derfor har vi lagt inn penger for å få til en større grad av gradering i foreldrebetalinga i barnehagen. Venstre har over de siste fem årene vært veldig opptatt av å gjøre noe for de familiene som tar det ansvaret det er å ta til seg et barn som ikke har foreldre. Vi syns at vi gir altfor lite støtte til de foreldrene som gjør akkurat det, og vi ønsker å øke adopsjonsstøtten til 1 G. Vi er også blant de partiene som har foreslått noen store grep innenfor barnevernet, ikke bare snakk. Vi foreslår nå en stor reform, der vi flytter pengene nedover til kommunene, bort fra det regionale leddet, bort fra byråkratiet. Vi flytter penger, ansvar og avgjørelser til dem som ser ungene i øynene. Så er det sånn at vi her har snakket veldig mye om fedrekvoter og fedres rettigheter overfor barn. Derfor syns jeg det er litt rart at man ikke har gått inn for sjølstendig opptjeningsrett for fedre også i fedrekvoten. Det gjør Venstre i sitt alternative budsjett, og vi ser faktisk på det som et viktig likestillingsgrep. Vi har også omdelt noen forslag i salen i dag, som jeg nå gjerne vil ta opp. Et av dem, det første, angår dette rammeområdet. For noen år siden var det mange som løftet det at familieformene i dag er under endring. Flertallet av dem som bor her i byen, bor alene, mens vi har veldig lite politikk for hvordan vi skal gjøre livet bedre for dem som velger å bo alene.

barndom. Derfor er det viktig for oss å satse på alle de tiltak vi kan for å utligne forskjellen mellom de ulike oppvekstvilkårene som unger får. Derfor er en av de fem store satsingene i Venstres alternative budsjett kampen mot fattigdom hos barn. Det kommer det også til å være framover.

de ønsker å utvide foreldrepengeperioden til 65 uker. Det i seg sjøl kan være greit nok, men vi har allerede i dag verdens beste foreldrepermisjonsordning. Når man ser at dette vil koste 4,5–7 mrd. kr ekstra, stiller jeg spørsmålet: Kunne ikke Venstre tenkt seg kanskje å bruke disse pengene på en bedre måte? Venstre snakker veldig mye om de fattige barna. Ville det ikke heller vært naturlig å bruke pengene på en måte som hadde kommet dem til gode, i stedet for å utvide en ordning som allerede er definert som den beste i verden? Sjøl om vi er gode på noe, betyr ikke det at vi ikke skal bli bedre. bedre. Det er faktisk sånn at vi klarer å omprioritere 1 812 mill. kr, altså 1,8 mrd. kr og over det, til fattige barn mer enn regjeringa. Så vi klarer det. Så klarer vi å gjøre noe med opptjeningsrett for fedre, som jeg syns det er veldig rart at regjeringa ikke har gjort noe mer med. Den kunne ha vært sikret også i fedrekvoten, sånn at man sikrer seg fedre som har partner som er hjemmeværende, også skal ha rett til å være sammen med sine barn og få kompensasjon, og at også fedres rettigheter ut fra egen lønn blir behandlet. Vi ønsker å strekke oss for å lage bedre ordninger. I vår modell er det en tredeling, men det er også sånn at man kan ta ut foreldrepermisjon over lengre tid, sånn at familien får mulighet til å disponere helt sjøl hvordan man skal ta ut foreldrepermisjonen. Replikkordskiftet er omme. En god oppvekstpolitikk er en politikk for en god framtid – for den

Derfor må vi sikre alle barn en best mulig oppvekst, også der hvor familien ikke strekker til. Derfor foreslår regjeringen å styrke barnevernet med totalt 390 mill. kr i neste års budsjett. Stadig flere barn får hjelp av barnevernet. I løpet av 2009 mottok 46 500 barn og unge hjelp. Dette er en økning på 46 Kommunene gjør en viktig og stor innsats på barnevernsfeltet. Samtidig vet vi at mange kommuner ikke klarer å hjelpe barna godt nok. Vi må være sikre på at de ansatte i førstelinjen i barnevernet er i stand til å behandle alle bekymringsmeldingene som kommer inn, på en god nok måte, og at ingen saker henlegges uten at vi er helt sikre på at det er et godt faglig grunnlag for det. Vi trenger et krafttak for de mest utsatte barna. Derfor øremerker vi 240 mill. kr, nettopp for å øke antall stillinger i det kommunale barnevernet. Dette er, som flere talere har vært inne på, det største løftet for det kommunale barnevernet på 20 år. Det var på tide. I tillegg til satsingen på kommunalt barnevern foreslår regjeringen å styrke det statlige barnevernet med til sammen 150 Det har vært en kraftig økning i antall saker til behandling i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Mangel på kapasitet i nemndene har ført til at barn har måttet vente for lenge på å få avklaring av sin omsorgssituasjon. For å gjøre noe med dette foreslår vi at bevilgningen til fylkesnemndene økes med Flere barn trenger hjelp fra det statlige barnevernet i form av institusjonsplasser, fosterhjemsplasser og andre statlige tiltak. Derfor foreslår vi å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 20 mill. kr. De statlige fosterhjemmene tar imot barn med krevende tilleggsutfordringer. I disse hjemmene kreves det at en av foreldrene må være hjemme på heltid. Det er nødvendig å kompensere disse ekstra. Derfor foreslår vi å øke bevilgningen til de statlige fosterhjemmene også. Styrkingen av barnevernet som regjeringen legger opp til i budsjettet for 2011, vil bidra til at førstelinjen i barnevernet settes bedre i stand til å behandle alle saker som kommer inn, på en god måte, bidra til at barn som trenger det, får et tiltak i statlig barnevern, og at barn ikke må vente for å få behandlet en sak i fylkesnemndene. Regjeringen har nylig lagt fram likelønnsmeldingen «Likestilling for likelønn», og jeg er glad for at viktige tiltak der gjenspeiles allerede i budsjettet for neste år. Foreldrepermisjonen er en viktig velferdsordning som legger til rette for at både mor og far kan kombinere yrkesdeltakelse og omsorg for små barn. Jeg er glad for at regjeringens forslag om utvidelse av foreldrepengeperioden med én uke får støtte i Stortinget. Regjeringens mål er et likestilt samfunn, der foreldre deltar på lik linje i arbeidsliv og familieliv. En viktig forutsetning for å nå dette målet er at fedre tar en større del av ansvaret hjemme enn de gjør i dag. Jeg har vanskelig for å forstå Høyre og Fremskrittspartiet som vil fjerne fedrekvoten. Fedrekvoten har vært avgjørende for å få fedre til å øke sitt uttak av foreldrepenger. Fedrekvoten er en rettighet for far, både overfor arbeidsgiver og mor, og sikrer far og barn tid sammen. Når Stortinget i dag vedtar å forlenge fedrekvoten til tolv uker, er det historisk, og det er et viktig skritt mot en mer likestilt ordning også når det gjelder foreldrepengene. I den nylig framlagte stortingsmeldingen om likestilling for likelønn varsler regjeringen dessuten at den vil se nærmere på grupper av fedre som i dag ikke kan ta ut permisjon, med tanke på å vurdere endringer i deres uttaksmuligheter. uttaksmuligheter. Det er en selvfølge når vi nå jobber videre med stortingsmeldingen om likestilling for likelønn, at vi går igjennom alt som kan forbedre ordningene, alt som kan skape mer likestilling, og alt som kan gjøre likestillingen mer reell mellom mor og far i familien. Til slutt noen ord om en annen sak under mitt departement, nemlig Finansportalen. I disse juletider bør man også snakke litt forbrukerpolitikk. Denne portalen har vært en viktig satsing for regjeringen, og nettstedet har så langt vært en suksess. Portalen gjør at forbrukerne i dag har et langt bedre utgangspunkt når det gjelder å ta gode valg i markedene for finansielle tjenester. I 2011 ønsker regjeringen å fortsette satsingen på nettopp denne typen virkemidler.

ikke sånn vi ønsker å ha det. Mitt spørsmål til statsråden blir da: Mener statsråden at barnevernet fungerer optimalt i dag når vi ser en så stor og eksplosiv utvikling når det gjelder nettrådgivere som skal hjelpe familier mot

Jeg har også lest disse historiene. Jeg synes det er fortvilet at barnevernet har et så dårlig rykte på seg at det skal være nødvendig for noen å etablere slike ordninger. Så jeg er innstilt på å gjøre det jeg kan i alle sammenhenger nå, både i det utvalget som skal se på på barnevernet, som jeg har store forventninger til, og i utviklingen av de ordningene vi har. Vi må komme fram til et barnevern som har en så høy status og som det er knyttet så mange positive ord og tiltak til at det ikke blir nødvendig å se på det på den måten. Det er mitt mål, og det håper jeg vi skal klare.

sine. Barneombudet, Reidar Hjermann, sa klart ifra at vi trenger et nasjonalt system for ivaretakelse av foreldrene. Er
Jeg er sikker på at representanten og jeg begge er klar over at når det gjelder barnevernssaker, og spesielt de vanskelige barnevernssakene som har med forhold i familiene å gjøre, er det mange sider ved dem. Ikke alle sidene kommer fram i det som ofte er medias og tredjepersons oppfatning av saken. Så jeg vil ikke ta for gitt at det alltid er barnevernet det er noe galt med. Jeg tror barnevernet absolutt gjør sitt aller beste, også i forbindelse med vanskelige overtagelsessaker. Men jeg er enig i at her kan vi gjøre mer. Det er også en av grunnene til at regjeringen i neste års budsjett har styrket både kommuneleddet og det statlige leddet, men også fylkesnemndene, som har en meget viktig rolle i nettopp den typen arbeid som det her er snakk om.

den typen arbeid som det her er snakk om. Denne regjeringen har hatt høy sigarføring når det gjelder likestilling og likelønn. Derfor var også spenningen veldig stor da likelønnsmeldingen skulle Det viste seg ganske raskt at regjeringen heller ikke hadde funnet noen «quick fix» på likelønn. Høyre tror også at utfordringene når det gjelder likelønn, er mer sammensatte enn som så. Nå ser vi bl.a. at statsråden i dag er ute og sier at svaret er så enkelt som en tredeling av foreldrepermisjonen. Hvis en tvangsdeling av permisjonen er så viktig for likestillingen, hvorfor går da regjeringen imot å gi mor og far like rettigheter til uttak av foreldrepermisjon? Hvorfor stemmer regjeringen i dag mot å gi fedre selvstendig opptjeningsrett, hvis regjeringen tror at likelønn også løses med tvang i forbindelse med foreldrepermisjonen?
Bare for ordens skyld: Regjeringen kommer ikke til å få anledning til å stemme i dag, men det kommer til å bli stemt over et forslag framlagt av regjeringen. Takk for den oppklaringen, president! Men vi står selvfølgelig for forslagene. Jeg må si at jeg er forundret over at Høyre ikke går inn for, snarere motarbeider, kanskje det aller viktigste forslaget for å få til reell likestilling, nemlig at fedrekvoten også skal gi far en rettighet. Man snakker hele tiden

fram ønsket om en slik rettighet. Vi må ha noe å slå i bordet med overfor arbeidsgiver, vi må ha noe som er lovforankret, som kan gjøre at far, med like stor rett som mor, kan ta ut sin fedrekvote og dermed bli en del av det likestilte. Det er det regjeringen mener med sin melding om likestilling for likelønn. Det er mange tiltak, dette er ett av dem, som sammen fremmer en bedre likestilling.

som vi ser i dag, selv har et genuint ønske om å være sammen med barnet sitt, fordi de ser at det er viktig både for familien og for tilknytningen til barna sine. Det er derfor mange fedre gjør det av fri vilje. Det som er realiteten i dag, er at hvis en far av en eller annen grunn ikke kan benytte seg av fedrekvoten, mister man nesten tre måneder sammen med

selv om det er såpass lite som det er. Barnehagene bygger vi ut for at det skal være et godt tilbud, og det er selvfølgelig opp til foreldrene om de vil ha barnet sitt i barnehage eller ikke. Så i dette forslaget fra regjeringens side er det ingen tvang, men bare flere muligheter – flere muligheter for familien og flere muligheter ikke minst for fedrene. Jeg tror at historien kommer til å vise at Høyre kanskje på et eller annet tidspunkt kommer til å ta til vettet og skjønne at dette var fornuftlig likevel, men nå er det ganske uforståelig at man er så i motstrid til det som er regjeringens forslag. Fra Kristelig Folkepartis side vil jeg ønske statsråden velkommen inn på familie- og

Barne- og likestillingsdepartementet, og en finansminister som begge har bakgrunn som fylkesmenn, med den innsikt i barnevernet og de utfordringene i barnevernet som følger med det. Nå er det slik at regjeringen når det gjelder barnevernet, har satt i gang en del prosesser som gjør at man skal gå igjennom mange ting, ikke minst organisering og struktur, og komme tilbake til Stortinget om et par år. Men som vi vet veldig godt, er det barn som står i kø for fosterhjem, det er barn som står i kø for å få sine saker behandlet i fylkesnemnda, for å få bekymringsmeldinger behandlet, som trenger mer ettervern enn det de får, og som ikke får den hjelpen de trenger. Hva har regjeringen tenkt å gjøre i mellomtiden, mens man venter på utvalgene, for å gi barnevernet det løftet som

Så vår plan er at her kommer vi til å videreføre disse midlene. I tillegg til det har jeg også hørt etterlysningen av en opptrappingsplan. Det er klart at det ligger mange elementer i denne planen og i det arbeidet vi nå gjør for å styrke barnevernet, som selvfølgelig handler om å fortsette med de gode tingene som vi ser virker, men også om å ha et utvalg som forteller oss hva det er som kan virke enda bedre, og hvordan vi kan få til samspillet mellom stat og kommune på en enda bedre måte. Vi har felles mål: alt det beste for barna. barna. Vi gjør absolutt det vi kan for å få det til, og vi har et mål som har en sikt også utover neste år. Representanten Øyvind Håbrekke har bedt om ytterligere en replikk. Presidenten anser det som en rimelig del av fedrekvoten, så Håbrekke får anledning til å få den replikken.

Men finansministeren, statsministeren, regjeringen og Kongen i statsråd har ikke vedtatt at så skal skje. Det er det som skaper usikkerhet for barnevernet i tiden framover. Det er det som viser at regjeringen prioriterer barnehager og sykehjem og tidsfrister og opptrappingsplaner for disse sektorene, mens det ikke er tilsvarende for barnevernet. Mitt spørsmålet er: Når finner regjeringen det riktig å lage en opptrappingsplan og legge den fram for Stortinget, med klare tidsfrister for når man skal være i mål med å ha fjernet køene også
Jeg hadde ikke sitert fra et rundskriv til kommunene hvis ikke jeg visste at det var dekning for å si akkurat det som står her. Der står det at man legger opp til at midlene videreføres også utover 2011. Det er klart at for hvert eneste budsjett har vi en budsjettdiskusjon, men her er det jo snakk om å ansette folk neste år, og og det ville være oppsiktsvekkende om regjeringen plutselig skulle trekke tilbake en bevilgning når kommunene har ansatt folk. Så dette er noe regjeringspartiene er enige om. Dette vil vi følge opp, dette vil vi fortsette å satse på. Så er det slik at en plan for hvordan man skal forbedre barnevernet, handler ikke bare om å gi mer penger til de ulike tiltakene, som vi gjør her nå. Det handler om å ha et godt system for rekruttering til fosterhjemmene – det holder vi på med – og et godt system for å følge opp de institusjonene hvor vi trenger institusjonsplass, og vi ønsker også å ha flere over på fosterhjem. Men så er det ett tiltak over alle andre tiltak, og det tror jeg vi kan være helt enige om, det er at vi må satse maksimalt på forebyggende arbeid, så vi får færre barn som barnevernet må ta seg av.

Det betyr at mange flere barn enn tidligere – dvs. alle de barna som foreldrene ønsker skal få barnehageplass – har nå barnehageplass. Det er en veldig gledelig økning, særlig blant barn med minoritetsbakgrunn, og 95 pst. av femåringer med minoritetsbakgrunn går nå i barnehagen før de begynner på skolen. Dette er en innsats som ikke er kommet av seg selv. Vi husker veldig tydelig hvordan opposisjonen fra 2001 til 2005 styrte den daværende borgerlige regjeringen fra Stortinget for å tvinge den til å satse på barnehager. Etter 2005 har vi holdt det trykket oppe, og vi har kommet i mål, med betydelig lavere pris – mange betalte jo over 4 000 kr per måned for barnehageplass før vi startet med makspris – og langt flere barn enn tidligere har fått plass. Det som nå er utfordringen, er å ta denne omfattende barnehagesatsingen videre, sånn at vi satser enda mer systematisk på innholdet og kvaliteten i det tilbudet som de minste skal ha. Det er ikke sånn at vi har gjennomført barnehageinnsatsen gjennom å redusere kvaliteten. Det er riktig at vi har dispensasjoner fra utdanningskravet, men andelen førskolelærere og pedagoger i barnehagene er på samme nivå som før den storstilte utbyggingen. At det har blitt noen dispensasjoner, skyldes at antallet barnehageplasser er blitt så mye større. Det er heller ikke sånn at barnehageprisen har økt når vi ser på overordnet nivå – det kan tenkes at det er noen enkeltkommuner hvor det har skjedd. Men det er sånn at reduksjonen i pris har vært størst for dem med de høyeste inntektene, fordi mange hadde gradert foreldrebetaling tidligere, og det var ekstremt dyrt for mange å ha barnehageplass. Den store utfordringen vi står overfor nå, er jo at den omfattende innlemmingen av de øremerkede midlene til barnehagesektoren i kommunenes frie rammer skal følges opp av kommunene på en sånn måte at de tar ansvar for barnehagene og ser dem i sammenheng med den felles Her ligger det mange muligheter for kommunene. Det er mye mer systematisk å tenke barnehager med barnehagens verdier og kvalitet og vekt på at unger skal utvikle seg også med lek – ikke førskole eller skolsk – med de mulighetene som ligger der i forhold til språkutvikling, utvikling av sosiale ferdigheter og overgangen til skolen Det henger jo også sammen med det ansvarsområdet som statsråd Aasland har, nemlig barnevern og de særlig utsatte og sårbare barna. Kvalitetsbarnehager kan støtte opp om barns utvikling og være barns støttespillere i en mye større grad enn det vi har

Vi har utdannet langt flere pedagoger. Vi ønsker å utdanne flere. Vi ønsker i tillegg å se på den gjennomgangen vi har hatt av førskolelærerutdanningen, fordi vi har noen kvalitetsutfordringer også når det gjelder det. Vi ønsker å støtte opp gjennom videreutdanning av ledere i barnehagene. Vi ønsker å investere mer i assistentene, fordi mange av dem er ufaglærte og ønsker enten å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere eller å gå videre og ta førskolelærerutdanning. Her har vi en betydelig jobb å gjøre videre framover, når det gjelder å både fortsette å rekruttere flere til førskolelæreryrket, å gi større muligheter til arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning og å satse på forskning og utvikling av barnehagesektoren. Dette er et underforsket område. Vi har økt innsatsen når det gjelder forskning på barnehagen som arena for særlig de små barna, men vi har fremdeles en betydelig jobb å gjøre på dette feltet.

Statsråd Halvorsen snakker her om at vi har kommet i mål, og at vi har full barnehagedekning. Det har vi vel nesten, hvis vi ikke går ut fra at man er født kanskje på andre tider av året enn det regjeringen har lagt opp til. På barnehage.no kan vi nå lese om en sterk advarsel, for nå står barnehagene på kuttliste ute i kommunene. Statssekretæren til statsråden har også vært ute og sagt helt klart at hun er bekymret for barnehagetilbudet ute i kommunene, og for at vi nå kan komme til å se et kutt ute i kommunene på barnehage etter at barnehagefinansieringen er gått inn i rammen. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan vil statsråden følge opp kommunene, sånn at vi kan sikre at vi fremdeles har satsing på barnehager og får enda mer satsing framover på barnehager, og at ikke kommunene kutter i barnehagene? Det er sånn at barn har rett til og at det er kommunens plikt å innfri den retten. Det er ikke sånn at kommunene kan bruke 28 mrd. kr fritt til alle mulige andre formål. De har plikt til å tilby en barnehageplass, de har plikt til å forholde seg til makspris, de har plikt til å forholde seg til de kvalitetskravene vi har. Men det er en krevende innlemming av en omfattende, øremerket ordning som kommunene nå skal gjennomføre. gjennomføre. Det er klart at jeg følger veldig nøye med på hvordan dette går rundt omkring i kommunene, ikke bare i forhold til de kommunale barnehagene, men også de private barnehagene, for ca. halvparten av barna går jo i private barnehager, og det har vært avgjørende viktig for oss å få et forutsigbart finansieringssystem på plass for de private barnehagene. Og så har vi utfordringer, dvs. vi har ambisjoner om videre utvikling når det gjelder kvalitet. Så her er det ingen grunn til

barnehageansatte gruer seg for å ta opp ting, for de skal ha et samarbeid med barnevernet. De er redde for at hvis de varsler eller gir beskjed om noe, kan de kanskje gjøre noe feil. Vi vet i alle fall, etter møte med KS, at også KS er bekymret for at barnehagene ikke følger opp saker overfor barnevernet. Det er også en NOKUT-utredning som skal Hva vil statsråden gjøre i forhold til dem som allerede er ansatt i barnehagene, og som kanskje ikke skal ta noen videre utdannelse? Hva vil hun gjøre for at barnehageansatte følger opp barn som lider og trenger hjelp? Det er avgjørende viktig, som replikanten er inne på, at man får større oppmerksomhet, større mot og bedre kompetanse med tanke på å varsle om barn i barnehage som man er bekymret for. Vi vet at det antakelig er betydelig undervarsling blant de ansatte. Om det er fordi man ikke er trent til å se etter det som kan være tegn på mishandling eller misbruk, eller om det er fordi det er vanskelig for oss voksne å tro, kanskje, at barn kan behandles slik som barn noen ganger blir – det er ganske sammensatt. Men bevisstheten rundt det – det er jeg helt enig i – må vi få opp når det gjelder barnevernet. Det er en del av det kommunene nå vil følge opp både i forhold til når det gjelder å utvikle kompetansen til de barnehageansatte videre. Da dreier det seg ikke bare om førskolelærerne, det dreier seg også om assistentene i barnehagene, for de er ofte flere timer sammen med barna, og to tredjedeler av dem som jobber i barnehagene, er assistenter. Vi kan lese i avisen om at sentrale arbeiderpartirepresentanter med ansvar for familiepolitikken her på Stortinget ønsker tvungen barnehage. Så vidt jeg husker, har også statsråden uttalt at man er positiv til å

I Høyre ønsker vi at det skal være opp til foreldrene å velge omsorgsløsninger for sine barn. Høyre er for valgfrihet for alle foreldre. Vi ønsker ikke å frata en gruppe mennesker valgfriheten kun fordi de har innvandrerbakgrunn. Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Er det slik at regjeringen nå vil jobbe videre med obligatorisk barnehage for alle barn? Og kan vi tolke de signalene som har kommet hittil, som at et slikt arbeid er på gang? Brenna-utvalget, som nylig har lagt fram sin innstilling, hadde som del av sitt mandat å vurdere om man ønsket å gå inn for barnehage. De konkluderte med at de ikke ville fremme et slikt forslag nå, men heller komme med andre forslag for å utvikle kvaliteten i barnehagene og å redusere foreldrebetalingen. Utvalgets innstilling er på høring og kommer snart til politisk behandling. Det som har vært diskusjonen, er om deler av tilbudet til femåringene skulle være obligatorisk barnehage. Jeg tror ikke at det er et aktuelt forslag å fremme nå. Men jeg deler bekymringen for at noen av de mest utsatte og sårbare barna ikke kommer i barnehage – når de er mindre, på grunn av kontantstøtten, og når de mest utsatte og sårbare barna ikke kommer i barnehage – når de er mindre, på grunn av kontantstøtten, og når de er litt større, fordi foreldrene prioriterer barnehage ulikt. Så å tenke på hvordan en gjennom positive virkemidler skal få flere barn til å få del i barnehagegodet, mener jeg er veldig viktig. Det er slik jeg også har opplevd representanten Stokkan-Grande. Nå er det slik at kontantstøtten bare gjelder for ett- og

å utvide språkkartleggingen på helsestasjonene, fordi vi ønsker at også barn som ikke går i barnehage, skal ha muligheten til å bli oppdaget og hjulpet med språkstimulering før skolestart. Regjeringen ønsker at denne språkkartleggingen kun skal være i barnehagen. Det betyr at det bare er barn i barnehagen som omfattes av dette. De blir jo likevel sett hver eneste dag av voksenpersoner. Så når en av representantene, Stokkan-Grande, ønsker å endre

men barnehagen er altså en arena for å støtte barn i deres utvikling. Nå har vi et ekspertutvalg og en referansegruppe som ser på hvordan en skal få det trente blikket overfor dem. For øvrig er dette et område der man ser klare skiller i politikken. Høyre øker maksprisen. De reduserer litt i forhold til inntektsgradert, men de har et netto kutt på barnehagesektoren på over 400 mill. kr, fordi makstaksten øker generelt for barnehageforeldre, mer enn det Høyre investerer i barnehagene. Det er jo greit for folk å vite at barnehagene blir dyrere hvis det blir

der vi i hvert fall er i nærheten av å sikre full dekning. Men det er fortsatt store utfordringer for å få full dekning. Det gjelder de minste barna, og ikke minst i storbyene der det stadig skjer en demografisk utvikling. Midt oppe i dette innlemmes jo barnehagene i rammeoverføringene til kommunene, og lenge før vi er i mål med opptrapping for likestillingen mellom private og offentlige barnehager. Vi får stadig historier fra kommunene om hvordan de ser på dette, og hvordan de ser seg i stand til å ivareta det.

Men det har altså ligget i kortene hele veien at i det øyeblikket vi hadde full dekning, skulle de øremerkede midlene til barnehagesektoren innlemmes i rammene. varslet i kommuneproposisjonen for 2006 at dette skulle skje fra 1. januar 2007. Nå har vi ventet fire år. Det er rett og slett fordi vi ønsket større trygghet rundt at vi hadde et mer robust barnehagesystem på plass i kommunene før vi gjorde det. Men det er all grunn til å følge nøye

Som følge av reformen fra Stortinget har mange av lavinntektsfamiliene blitt taperne, mens vi har overført mange titusenvis av kroner til familier med høy lønn.

lavinntektsfamiliene har fått mindre reduksjon i sine barnehagesatser enn dem som i utgangspunktet har betalt full pris. Gradert betaling er en del av Brenna-utvalgets forslag, som nå er på høring, og vi skal selvsagt vurdere dem seriøst. Når det er sagt, er jeg veldig opptatt av at vi har gode universelle velferdsordninger i Norge som inkluderer alle, og at vi betaler etter evne når vi betaler skatt. Jeg tror det er viktig for å ha en oppslutning om skattepolitikken nettopp å ha et rettferdig fordelingssystem. Jeg tror også det er mer effektivt i forhold til de tilbudene vi har når det gjelder barn og eventuelt andre egenandeler. For eksempel er det slik at hvis en familie som har en inntekt på 200 000 kr, plutselig får en mulighet til en jobb til 300 000 kr, men dermed mister en rabatt i barnehagene, kan det være veldig lite lønnsomt å opptre på arbeidsmarkedet – slik at man tar de utfordringene man får der. Replikkordskiftet er dermed omme. I går kveld moret jeg meg med å lese budsjettdebatten til forbruker- og administrasjonskomiteen i desember 1992, altså for 18 år siden. Jeg ville nemlig sjekke hvordan debatten forløp den

og jeg ser mange likhetstrekk med dagens debatt. Komiteens leder innledet med å si at vi har bak oss et år preget av kriser hjemme og ute, bankkrise, forsikringskrise og arbeidsledighet. Arbeiderpartiets Marit Rotnes kunne fortelle at tross vanskelige økonomiske tider har Arbeiderpartiet satt barn og unge øverst på sin liste over prioriterte saker. For Arbeiderpartiet er det viktig å slutte seg til tiltak som gir foreldre mer valgmulighet og mer tid med barna. Valgfrihet var åpenbart et tema også den gang. 1993 var for øvrig det året den offensive satsingen på barnevern ble iverksatt, etter en treårig opptrapping. Erna Solberg og Trond Jensrud svingte seg til de store mens Senterpartiet var mer opptatt av at et forslag om fjerning av forbrukersubsidiene på melk ville medføre økt belastning på barnefamilienes økonomi. Også i 1992 hadde regjeringen løftet likelønnsproblematikken, den gang gjennom en likestillingsmelding. Og som det ble påpekt i debatten: her er det mye ugjort. Parallellene er mange, og det er tydeligvis en del som ser ut til å gå i sirkel. Som for å understreke nettopp det, dukker sannelig finansminister Sigbjørn Johnsen opp i den debatten også. Det er også verd å nevne at det i debatten ble påpekt at Norge i 1992 lå høyt på statistikken over spedbarnsdødelighet. Det er faktisk ikke lenger siden. Så mye har gått framover. Jeg kan også påpeke at dersom voteringen i nettopp denne debatten er representativ for Så mye har gått framover. Jeg kan også påpeke at dersom voteringen i nettopp denne debatten er representativ for alle voteringer på den tiden, har det også på det området vært store framskritt, til tross for at presidenten kanskje opplever frustrasjon innimellom over representantenes manglende evne til å stemme riktig. Jeg nevner alt dette fordi det kan synes som vi allerede nå, såpass kort tid etter, tar mye for gitt, og at man i debatten om valgfrihet glemmer de mange slagene som

men også for barna. Parallelt har vi bygd ut til full barnehagedekning, også dette for å sikre full, reell valgfrihet. Det har alltid vært venstresiden i norsk politikk med Arbeiderpartiet i spissen som har slept høyresiden etter seg i disse sakene. Høyresiden har snakket om valgfrihet, men det er vi som har gjennomført det. Det har vi tenkt å fortsette med. Denne regjeringen har gjort det den lovet. Vi har økt antall permisjonsuker. Vi har utvidet fedrekvoten, og vi har gitt flere fedre mulighet til å benytte seg av den. Vi har med andre ord økt valgfriheten. Vi har sikret full barnehagedekning, og med det økt valgfriheten. Vi har gjennom makspris på barnehageplass gitt f.eks. en familie med to barn en skattelette på 20 000 kr per år – økt valgfrihet. Hva har Høyre å tilby? Jo, fjerning av fedrekvoten og et skatteopplegg som medfører at en person med inntekt på 350 000–400 000 kr får 2 000 kr mer å rutte med i året. Det blir nesten nok til å betale de 200 kronene ekstra hver måned som barnehageplass kommer til å koste med deres forslag – litt av en valgfrihet, må jeg si.

unik kompetanse. I Romerikes Blad, som er Akershus' største avis, står det: «Refser Bufetat». «Politikerne slår alarm om lang saksbehandlingstid og manglende kvalitet». Bufetat styres mer av økonomien enn av hensynet til barnas beste. Både barnevernet og politikere i Lørenskog er bekymret over kvaliteten på fra Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det er et enstemmig kommunestyre i Lørenskog som er bekymret. De vet hva som er konsekvensen av regjeringens politikk. Barnevernet flere steder i landet er på grensen til å drive uforsvarlig. I tolv fylker har det vært store økninger i antall barn som skal følges opp, uten at det er blitt flere ansatte. I flere fylker fikk man redusert antall stillinger, men over 200 flere barn å ta hånd om. Det er klart at dette ser de som jobber ute i kommunene og i førstelinjetjenesten. Konsekvensene for barna er at de i noen tilfeller må leve lenger under vanskelige forhold. Det som også er problematisk for barna, er at de kan miste troen på at det er noen der ute som kan hjelpe dem. Tenk hvor vanskelig det er. I en tilbakemelding fra fylkesmannen heter det: «Mange barn og familier får ikke den hjelpen de har krav på til rett tid». Årsaken til problemene er en sterk økning i antall saker i forhold til antall ansatte. Jeg har inntrykk av at situasjonen er den samme i mange, mange kommuner. Jeg har et sitat fra Siri, som er barnevernsbarn: Jeg har et sitat fra Siri, som er barnevernsbarn: «Jeg orker ikke å flytte igjen nå. Jeg har tidligere bodd i Sogn og Fjordane, Tønsberg, Drammen og Hokksund. Jeg synes det er dritvanskelig å få nye venner hele tiden. Det er kjipt hvis hjemmet mitt går konkurs, liksom! Jeg vet ikke hva som skjer med meg da, jeg blir sikkert flytta langt vekk i helvete. Det er så kjipt som det kan Og hvis man ikke hører frustrasjonen her, så vet ikke jeg. Barn har krav på en framtid – alle barn, også dem med foreldre som har kommet i vanskelige livssituasjoner. Barn er nødvendige, men det koster, og beløpene vil øke i takt med at samfunnet blir hardere og hardere. Gro sa: «Alt henger sammen med alt». Men regjeringen i dag klarer på langt nær alltid å se sammenhengen – hvordan investeringer på et felt kan redusere utgiftene i klarer på langt nær alltid å se sammenhengen – hvordan investeringer på et felt kan redusere utgiftene i dag eller oftere i framtiden. I trygdesektoren er det en instans som har ansvaret for innkjøp og tildeling av hjelpemidler til mennesker med ulike bevegelseshemninger, men reparasjoner utføres og betales et annet sted. Dette har ført til at gode og dyre hjelpemidler kasseres. Det ser vi stadig vekk oppslag om. Det er enklere for den ene hånden å slenge en nyanskaffelsesregning over til den andre enn selv å betale reparasjonen. Disse utfordringene har man også i barnevernet. Forskere ved NOVA har påvist at nesten tre av fire tidligere barnevernsbarn har mottatt sosialhjelp etter at de fylte 18 år. Til sammenlikning mottok bare 8 pst. av alle i aldersgruppen 20–24 år sosialhjelp i fjor. Når du vet at du ikke skal være et sted lenge, investerer du heller ikke mye i relasjonene du har der. Det er virkelig trist, for det er nettopp det disse barna trenger. Stikkordet må være kvalitet, kontinuitet og forutsigbarhet. forutsigbarhet. Disse ordene får man også i tilbakemeldinger fra barn som nettopp er oppe i denne situasjonen, som man ser rundt omkring i kommunene. Jeg synes det er ganske imponerende når regjeringspartiene står og kritiserer Fremskrittspartiet, når de blir kritisert av f.eks. et enstemmig kommunestyre for sin egen politikk. Hvorfor ikke bare ta en telefon og høre hvilke utfordringer den enkelte kommune har? Jeg ønsker å ta opp Fremskrittspartiets forslag og forslag der vi er medforslagsstiller. Representanten Ib Thomsen har tatt opp de forslag han refererte til. Det rår liten tvil om at me lever i eit meir likestilt samfunn enn kva me gjorde for 50 år Berre i løpet av mitt unge liv har me fått mange rettar og lover som fremmar eit meir likestilt samfunn. Men eg blir bekymra når eg høyrer høgresidas stadige tåkelegging i likestillingsdebatten. Når ein høyrer på høgrepartias formaningar om m.a. å leggje ned likestillingsombodet og fjerne fedrekvoten, fordi no skal folk bestemme sjølv, eller at no likestiller folk seg sjølve, fryktar eg at mange får ei vrangførestelling av korleis samfunnet faktisk er. Høgresidas politikk, og spesielt Framstegspartiets såkalla likestillingspolitikk, er i stor monn politikk for å gå baklengs inn i framtida. For nei, jenter, me er ikkje ferdig likestilte, og nei, alle menn og fedrar, de er heller ikkje ferdig likestilte, og ja, eg trur på ordningar, på for å syte for ei utvikling og ikkje eit tilbakeskritt i likestillingspolitikken. For at me skal kunne halde fram og kjempe for eit meir likestilt samfunn, må me halde fram med ein bevisst likestillingspolitikk. Ja, eg er kvinne og kan tale i offentlege forsamlingar. Og ja, eg er kvinne og kan ta høgare utdanning og amme i lunsjpausen. Men i 2010 er det ikkje dette som skal vere målestokken på om me er likestilte, fordi, kjære medsystrer, framleis er det slik at det er me jenter som tek det største ansvaret i heimen. Det er framleis slik at mannfolka tener meir enn oss, og me vel faktisk yrke like tradisjonelt som me alltid har gjort. Foreldrepermisjonsordninga har heller ikkje vore likestilt nok. Desse tinga heng saman. Me som jenter må både gje og krevje for å oppnå likeløn, for å oppnå likestilling. I 2009 fekk likestillings- og diskrimineringsombodet inn 302 klagesaker og gav rettleiing i 1 624 saker. Diskrimineringsgrunnlaget er dominert av kjønn og etnisitet. I kontrast til Framstegspartiet ynskjer vår regjering å ha eit ombod som arbeider proaktivt i kampen mot all diskriminering i samfunnet. Me kan ikkje berre lene oss tilbake, late att augo og håpe at folk fiksar dette sjølv. Me ynskjer heller ikkje at det skal vere slik at folk må gå rettens veg for å bli verna mot diskriminering – ein veg som kostar pengar, for mange altfor mykje pengar. Me vil at alle som føler seg utsette for diskriminering til tross for at me har lover og reglar, skal kunne få hjelp og rettleiing. Det er som ein seier i jussen: Det hjelper ikkje om ein har rett, viss ein ikkje får rett. Vi veit at ombodet trengst. Det trengst for at dei som opplever diskriminering, skal få rett, og ikkje berre ha det. Alle sakene som ombodet får, viser i seg sjølve at ombodet trengst, og alle sakene dei løyser, viser det same. Framstegspartiets forslag om å avvikle ombodet vil føre til stagnering i kampen mot diskriminering. Gjennom ei avvikling av ombodet, vil vi miste den viktige pådrivarrolla dei har gjennom å arbeide med å avdekkje og påpeike forhold som motverkar likestilling og likebehandling. Forslaget frå Framstegspartiet vil totalt sett svekkje kampen for eit meir tolerant og ope samfunn. Framstegspartiet har ofte karakterisert vår politikk som sosialistisk tvangstrøye og statleg overgrep. Men eg trur ikkje folk går på ein slik enkel retorikk. Eg trur fedrar ynskjer rettar som omsorgspersonar. Eg trur fedrar ynskjer meir likestilling. Eg trur dei som opplever diskriminering, ynskjer å ha eit ombod som gratis kan vareta deira rettar. Og eg trur at kvinner vil For å få innfridd desse ynska treng me politisk styring av likestillingspolitikken. Me kan ikkje gje frå oss ansvaret og seie: Bestem dette sjølv, som i realiteten betyr: Fiks dette sjølv. Eg vil oppfordre alle jenter til å vere seg likestillingskampen bevisst. Arbeidet for eit meir likestilt samfunn er ikkje over. Å gje kvinner stemmerett, få kvinner ut av kjøkkenet og inn i arbeidslivet og innføre permisjonsordningar er noko av grunnfjellet. Me har no i årevis kjempa for at grunnmuren skal bli solid, og det er på høg tid å fortsetje arbeidet med resten av bygget – reisverket, glasruter, dører og tak skal på. Eg vil ikkje at høgresida skal rasere dette bygget og lure oss til å tru at

I Norge har vi en forbrukerpolitikk som sikrer oss forbrukere på en rekke områder. Budsjettforslaget slik det fremlegges i dag, er en bekreftelse på det. Og det er grunn til å presisere at våre forbrukerpolitiske rettigheter ikke er en statisk ordning, noe regjeringen er tydelig på i sitt budsjettforslag. Vi er nødt til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt for å trygge og utvikle våre ordninger videre. Vi må tilpasse oss nye behov og også utviklingstrekk vi ser skjer rundt oss. selv har definert nivået. Etter hvert har vi implementert en rekke EU-direktiv. Noen har styrket våre rettigheter, men vi ser også forslag til direktiv som vi føler truer våre rettigheter på flere områder. Da tenker jeg spesielt på forslag til et nytt felles europeisk forbrukerdirektiv. Det nye forbrukerdirektivet vedtas i løpet av våren 2011. Komiteen står samlet bak kravet om at dette direktivet ikke må bli vedtatt, slik det antydes. Men signalene fra arbeidet i

slik at makta rår. Der står den sosialdemokratiske siden opp mot den borgerlige siden, som også er den som står bak forslaget om det nye forbrukerdirektivet for alle land i EU – og der står vi i dag. Det er nødvendig også å ha et innenlandsk fokus. Alt skal heldigvis ikke vedtas i Brussel. Vi har en avgjørende myndighet når det gjelder hva og hvor vi vil prioritere også innenfor forbrukerpolitikken. Å gå inn i disse prioriteringene ved å kutte

Kunnskap er makt og også en forutsetning for forbrukermakt. Gjennom kunnskap blir det mulig for forbrukerne å foreta velinformerte og bevisste valg, som dermed kan påvirke et marked gjennom sine handlinger. Finansportalen har vært og er et viktig redskap for å gi økt kunnskap til brukerne av Når portalen nå utvides til også å inneholde forsikringstjenester samt at det arbeides for å finne fram til løsninger som gjør det bedre for blinde og svaksynte å bruke portalen, er det svært positivt. Det er også fint å registrere at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til miljømerkene Svanen og Blomsten med 1 mill. kr. Hovedbegrunnelsen er å gi økt miljøbevissthet om produktvalg til oss forbrukere. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet er positiv til miljømerking, men det er bare i ord, for i budsjettforslaget sitt kutter de i ordningene med vel 1,1 mill. kr. Vi går inn i en tid da pengene sitter løst mellom hendene våre, og har vi ikke penger,

Jeg og mange med meg er svært bekymret for den økningen vi ser i gjeldsproblemer blant private husholdninger, og da i særlig grad blant unge etablerere. For å få bukt med dette store problemet må det samarbeid til, fra det offentlige via våre forbrukerorganisasjoner, banker, kredittkortselskap og kanskje ikke minst det viktigste av alt: de unge selv. Også her er nøkkelordet kunnskap, kunnskap om å forstå konsekvensen av å ha en stor gjeldsbelastning, forstå hvordan man unngår å komme i en gjeldssituasjon. Samtidig er det viktig å hjelpe dem som er havnet i en vanskelig gjeldssituasjon. Da kreves det gode løsninger som fordrer samarbeid mellom mange parter. Men det må være lov å rette en pekefinger mot kortselskapene og andre som kjører en slik aggressiv markedsføring som vi jeg fornøyd med at forbrukerombudet varsler en gjennomgang av om dagens markedsføring er i tråd med markedsføringsloven. Uansett, noe må gjøres for å stoppe den galopperende gjeldsutviklingen vi ser skje blant mange av våre unge. Den kan ikke få lov til å fortsette. Vi har alle et ansvar. Vi kan alle gjøre noe. Høyresiden fortsetter sitt ideologiske korstog mot en offentlig likestillingspolitikk. Det er interessant å se at høyresiden angriper Arbeiderpartiet og

til høyresiden når man snakker om gammeldags likestillingspolitikk, for det er de jammen eksperter på. Sannheten er nemlig at med høyresidens likestillingspolitikk ville vi gått tiår tilbake i tid: nedlegging av likestillings- og diskrimineringsombudet, bort med kvotering, og de har en skattelettepolitikk som vil tjene først og fremst rike menn. til Danmark, gjorde man det i 2001. Der er det en av fire fedre som tar ut pappakvoten. I Norge er det ni av ti. Det er fristende å spørre Høyre om det er sånn at danske menn i mindre grad er glad i barna sine, eller er det heller sånn at fjerner rettigheter for fedre, fører det til mindre reell valgfrihet? Blir høyresidens politikk en realitet, betyr det slutten på en av Norges fineste eksportartikler, nemlig likestilling. «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl», heter det. Det gjelder også i likestillingspolitikken og i illusjonen om at vi er likestilt. Det er det største hinderet for å oppnå reell likestilling.

viktigste tiltakene for forebygging er å tilby alle barn en trygg og god ramme rundt oppveksten. Den jobben gjøres først og fremst i norske hjem og av foreldre og familie. Barn som får en god oppvekst, får en god start på livet. Men vi vet at ikke alle foreldre er i stand til å gi barna sine den oppveksten de fortjener. Disse barna er de som trenger fellesskapet aller mest. De trenger at storsamfunnet stiller opp. Dersom disse barna

Heldigvis er det mange flere barn som nå får hjelp av barnevernet. Det er god grunn til å rose mange av dem som hver eneste dag gjør en uvurderlig innsats for mange barn. Når antall meldinger til barnevernet nesten er doblet siden 2000, vitner det om at tilliten til barnevernet har økt i befolkningen. Paradokset er at et godt arbeid og økt tillit fører til flere saker og mer å gjøre. Derfor tar regjeringen grep. Det er på høy tid med et nytt krafttak for barnevernet. Jeg er derfor stolt av å være en del av et flertall som bidrar til å gi det største løftet for det kommunale barnevernet på 20 år. Vi vet at det er store utfordringer knyttet til barn og unge i større bysamfunn. Det er viktig å støtte opp om prosjekter for dem som ikke finner seg til rette i andre organiserte aktiviteter. Målrettede ungdomstiltak er god forebyggingspolitikk med hensyn til vold, mobbing, kriminalitet og rus. Det er derfor positivt at regjeringen setter av 48,5 mill. kr til tiltak for barn i større bysamfunn. I 2007 lagde Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet erfaringsheftet Føre var og etter snar, der man gikk gjennom ni prosjekter som omhandlet ungdom, gjeng og kriminalitet. Tittelen på heftet er god. Vi må ha en politikk som er føre var og forebygger. Men når noe galt har skjedd, er det viktig å være rask til å reagere, intervenere og sette i gang tiltak. Eksemplene fra heftet viser at det nytter, og at det er mulig å snu en negativ trend. Men det krever kreativitet og hardt arbeid, og man er helt avhengig av et godt tverrfaglig samarbeid. Derfor er forebygging god samfunnsøkonomi. Men først og fremst er det viktig for å gi barn og unge et bedre liv, for vi har ingen ungdommer å miste. Den rød-grønne regjeringen har brukt de store pengene på å styrke fellesskapet og gode velferdsordninger. Det kan vi gjøre fordi vi ikke prioriterer skattelettelser til dem som har aller mest fra før. Alt henger sammen med alt, og med denne politikken sørger vi for at flere barn faktisk kan realisere sine drømmer når de blir store. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Sjølv om kvinners yrkesdeltaking i Noreg er veldig stor, er det framleis store skilnader mellom kvinner og menn, både når det gjeld løningar, og når det gjeld val av yrke og

å sikra meir kjønnsbalanse i utdanning og arbeid. Det er framleis berre 3 pst. jenter innan bil- og elektrofag, og berre 9 pst. gutar som vel helse- og omsorgsfag. For å få eit likestilt samfunn meiner eg at me må bryta tradisjonelle val i utdaning og yrke. Men det viktigaste er kanskje at me kan gje ungdommane våre dobbelt så mange moglegheiter og sjanse til faktisk å bruka

å læra meir om. Det er viktig når ungdommane våre vel utradisjonelt, at dei da får tilbod om lærlingplass, og at dei vert varetekne på arbeidsplassen. Eg har frå før på denne talarstolen snakka om prosjektet Jenter i Bil & Elektro. Det er eit samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, bedrifter innan elektro og bil og utdanningsmyndigheiter. Prosjektet går i fire fylke. Og bedriftene som er med, er det kanskje ikkje fordi dei er så innmari opptekne av likestilling, men fordi dei ser at i kampen om arbeidskrafta ønskjer dei den beste arbeidskrafta. Målet for prosjektet er å få 20 pst. jenter innan 2020 i dei bedriftene som er med. Og jentene deltek i eit jentenettverk både fordi dei skal ha ein møteplass, og fordi dei kan bidra til at prosjektet kan bli enda betre. meiner at malen for dette prosjektet like godt kunne ha vore brukt for å få fleire gutar inn i typiske jenteyrke. Eg trur at me er nøydde til å halda fram med ekstratiltak og påverknad om me ønskjer å få endra den kjønnsdelte arbeidsmarknaden. Tidlig i forrige uke hadde vi en rundebordskonferanse her på Stortinget om vold i nære relasjoner. Det er

er asfaltert med bindsterk forskning om at sammenhengen er entydig. Dette vet vi. Derfor er det så viktig at vi nå over flere år skal styrke det kommunale barnevernet. Vi gjorde det i fjor – la inn penger – og det viste seg dessverre at kommunene i altfor liten grad styrket det kommunale barnevernet, som flere her har vært oppe og sagt at kommunene har vært opptatt av. Ja, de er opptatt av det, men når de ikke sjøl greier å styrke det kommunale barnevernet så mye at de ungene som trenger hjelp fort, får det, så er vi nødt til å øremerke penger. Det er meget viktig at vi nå har øremerket penger for å styrke og sikre at de mest utsatte ungene faktisk får hjelp. Så skal vi gå igjennom det statlige barnevernet. for det går ikke an å gjøre som opposisjonen gjør, nemlig å kutte med øks i det statlige barnevernet, sende alle de pengene til kommunesektoren og tro at man har løst problemet for de mest utsatte ungene. Nei, der er det unger i dag som står og venter på tiltak fra det statlige barnevernet, med problemer som det kommunale barnevernet ikke kan løse. Det er de mest vanskeligstilte ungene som trenger hjelp fra det statlige barnevernet nå, og det kan godt hende at dette skal organiseres annerledes i framtida. SV var ikke akkurat en pådriver for den reformen som flere av opposisjonspartiene egentlig står bak, og som de i dag er så kritiske til. Men vi er altså nødt til å være så seriøse på vegne av disse ungene at vi ikke kan foreta slike kutt som Fremskrittspartiet og Høyre gjør i budsjettet i det statlige barnevernet, for det kommer til å ramme de ungene som i dag har store problemer. Det kan vi altså ikke være av. Så har det vært en del snakk om barnehage. Ja, barnehage er et kjempeviktig tiltak for de ungene som har det vanskelig, men fremdeles er det ofte slik at taushetsplikten blir viktigere enn meldeplikten for en del av de ungene som har det vanskeligst. Jeg har erfaring med å jobbe i barnehage, og kanskje er en av grunnene til at man i barnehagen kan være tilbakeholden med å melde saker, at erfaringen med barnevernet lokalt er at det ikke er på pletten med hjelp med en eneste gang, at det eneste som skjer, er at tilliten mellom barnehagen og foreldrene blir brutt, og at barn mister det eneste stedet de er trygge i løpet av hele døgnet. Det er vi nødt til å løse for at meldeplikten skal bli reell.

foreldreansvaret. Nå snakket Horne riktignok om foreldrepermisjon, men jeg oppfattet dette som Fremskrittspartiets prinsipielle holdning, og den er ganske farlig. Det er denne holdningen som gjør at vi som samfunn faktisk nøler med å gripe inn overfor familier som av ulike grunner ikke er i stand til å ta vare på sine barn. Det er denne holdningen som gjør at foreldrevernet i mange tilfeller fortoner seg som viktigere enn barnevernet. Min lokalavis, Tønsbergs Blad, har den siste tiden satt søkelyset på det vi kan kalle fattige barn, og selv har jeg hatt anledning til å følge opp dette i diskusjoner med lokale skoleansatte, ansatte i SFO og barnevernet. Nå er fattigdom et relativt begrep, og det finnes neppe ett tiltak, ett grep, som fjerner fattigdom. Det er helhetlig innsats på mange områder over tid som virker, og det vet vi. Det gjør inntrykk på meg når jeg møter unger som ikke kan gå i bursdagsselskap til sine venner fordi foreldrene ikke har råd til gave, eller når unger ikke kan delta i idretts- eller fritidsaktiviteter fordi foreldrene ikke har råd til å betale kontingenten. I enkelte kommuner betaler barnevernet slike utgifter. Og mange idrettslag og organisasjoner lar være å kreve kontingent av barn fra familier med dårlig råd. Men det kreves mer. Mange foreldre har ikke anledning til å kjøre barna til fotballkamp og kan ikke stille med kake til julelotteriet i foreningen – og så er det sånn at hvis man skal gå på ski, trenger man Noe av problemet er at dette oppleves som rene almisser, altså veldedighet, som ytterligere bidrar til å stigmatisere barn og familier. Jeg er en sterk tilhenger av aktivitetsstøtte til barn og unge, og det finnes ordninger i mange kommuner som ikke virker stigmatiserende, og som gir barn og ungdom fra fattige familier anledning til å delta i de samme fritidsaktivitetene som alle andre. Det koster noen kroner, men pengene er der om vi vil. Derfor synes jeg at vi alvorlig bør drøfte hvordan vi skal veksle inn de vel 300 mill. kr som om lag 120 norske kommuner tar fra de fattigste barna ved å legge barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for

glad for at regjeringen anerkjenner behovet her, og for at regjeringen har lagt inn ekstra midler til det kommunale barnevernet. Det viser jo at regjeringen har sett det Kristelig Folkeparti har sett, nemlig at det er nødvendig med ekstraordinære tiltak hvis vi skal kunne klare å oppnå en reell økning i antall ansatte i Men det som jeg la litt vekt på i det korte innlegget mitt, er at det vi i Kristelig Folkeparti savner i regjeringens politikk, er en langsiktig og forpliktende opptrapping som ivaretar kommunenes behov for forutsigbarhet og langsiktighet når det gjelder det kommunale barnevernet. Samme dagen som vi i kommunal- og forvaltningskomiteen hadde vår debatt kunne vi lese i en av fylkesavisene i Telemark at min hjemkommune, Skien, hadde fått en bot på 100 000 kr. Det var en bot fordi de ikke klarte å følge opp de barna som var meldt inn til barnevernet. De klarte ikke å gi dem et tilbud innen den tidsfristen som er satt. satt. Dette skjer ikke fordi barnevernet ikke gjør jobben sin. Dette skjer ikke fordi lokale politikere i Skien ikke er opptatt av barnevern. Dette skjer fordi det mangler penger, og ansvaret må regjering og storting ta. Jeg håper at Skien kommune sender den boten til den rød-grønne regjeringen. I dag kunne vi lese i at nabokommunen, Porsgrunn, også sliter med lange ventelister. Barnevernslederen i Porsgrunn ber om midler til tre ekstra stillinger for å få ned antallet på ventelisten. Det er det som er problemet – kapasiteten er ikke stor nok, barn står på venteliste, og barn får ikke den hjelpen de trenger, til rett tid. Det kommunale barnevernet må ha nok ressurser, kapasiteten må være stor nok. Vi kan ikke leve med at bekymringsmeldinger ikke følges opp, og at barn som trenger hjelp, ikke får det, eller at hjelpen kommer for sent. Det som jeg avsluttet mitt innlegg med sist fredag, har jeg lyst til å avslutte med nå også: Ett barn som står i kø, eller ikke blir fulgt opp til rett tid, er ett barn for mye.

Det er mange grunnar til det, men eg vil understreka kor viktig det er at skulen og barnehagen no har fått eit felles verdigrunnlag. Det betyr at barnehagane har fått eit mykje tydelegare samfunnsmandat, samtidig som me slår fast at barnehagane skal vidareføra eit heilskapleg syn på læring, der leik og omsorg på den eine sida saman med læring og danning på den andre sida er sjølve fundamentet for ungane si allsidige utvikling. Desse verdiane har vore og skal vera eit særtrekk ved den norske barnehagetradisjonen. Dette er kvalitetar som difor går som ein raud tråd gjennom Soria Moria-erklæringa. Eg må tilstå at eg blir både stolt og ikkje så lite audmjuk når eg besøkjer barnehagar som f.eks. Gamlestova barnehage på Hafslo, der dottera mi Anna Maria – som er Eg opplever eit fantastisk engasjement frå personalet i forhold til jobben, og eg opplever ein sterk lojalitet til rammeplanen og ein entusiasme for nettopp barnehagen sitt samfunnsansvar. Det har det siste året vore eit godt samspel mellom sentrale og lokale myndigheiter med omsyn til å få på plass full barnehagedekning og retten til ein plass.

Dette er grunnleggjande samfunnsverdiar som borna i neste omgang tek med seg for å byggja framtidige fellesskap. Men skal me klara det, treng me fleire førskulelærarar, og me treng nok tilsette med både barnefagleg og barnehagefagleg kunnskap. For ei tid sidan fekk eg gleda av å sjå korleis Sogn Regionråd gjennom eit nasjonalt nybrottsarbeid tek tak i kvalitetsutvikling i barnehagar i sognekommunane. Saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Nav og Utdanningsforbundet tek kommunane ansvar for leiarutdanning for styrarane, dei assisterande styrarane, dei pedagogiske leiarane og leiarane på kommunalt nivå – akkurat det statsråden sa i sitt innlegg. Dei fokuserer på kreative barnehagar med fokus på nyskaping og entreprenørskap. Det er jammen kvalitet. Og fordi ein maktar å sjå denne heilskapen i skule- og barnehagesystemet, vil nok også dette i neste omgang bidra til å redusera fråfallet i den vidaregåande skulen. Det har vært en fin debatt, og det er flere temaer som det kunne være fristende å kommentere. Først har jeg lyst til å kommentere statsråd Aaslands innlegg i forhold til barnevernet. Det er riktig at det begynner å komme på plass penger – all ære for det. Jeg tror den diskusjonen vi nærmer oss nå, kommer til å handle om kommunenes rolle. Høyres budsjett i år er sånn sett et signal i den retning. Men spørsmålet er jo dette grenseskillet mellom den kommunale delen av barnevernet og den statlige delen av barnevernet, om det ligger på riktig sted. det tror jeg er et veldig reelt spørsmål. Det tror jeg vi må ha en åpen tilnærming til. Det jeg savner litt fra regjeringens side, er en større åpenhet rundt det temaet og flere initiativer i forhold til å møte kommunene, også når det gjelder hvordan de praktisk organiserer seg. Et viktig poeng den gangen vi formet barnevernet til slik det har blitt i dag, var jo at små kommuner var et problem, både i forhold til nettverk, kompetanse og en del slike ting. Det vi ser, er at mange små kommuner for egen maskin har funnet det riktig å jobbe i nettverk. Mange små kommuner har en egen drivkraft i forhold til det å styrke sitt fundament for å lage et godt barnevern. Det tror jeg kunne vært et godt utgangspunkt for regjeringen til å stable på beina noen piloter, noen prøveprosjekter, som det ville være veldig nyttig å høste erfaringer fra i det evalueringsarbeidet som regjeringen nå gjør. Dette gjenspeiles f.eks. også i det som var ett av representanten Andersens poenger, nemlig at taushetsplikten var viktigere enn meldeplikten, som hun sa, altså dette tillitsforholdet mellom kommunalt barnevern og hennes tilfelle barnehage, men jeg tror også jeg kunne si skole. Det er et kolossalt viktig tillitsforhold, og det er et veldig kritisk punkt i forhold til når barn bringes inn i barnevernssammenheng – som vi ser er et vanskelig område. Vi ser at det er veldig mange bekymringsmeldinger som ikke tas hensyn til, og vi ser at her er det noe som knirker, som det bør gjøres noe med. Høyre har i de fem årene som vi nå har vært i opposisjon, foreslått en del tiltak, en del praktiske ting. Kanskje var det noe å gå tilbake til og se om man kunne ta tak i. Statsråd Aasland var jo så fornøyd med Finansportalen. Vi har jo også foreslått en portal for barnevernstjenester. Kanskje er det like viktig å fortelle om dem som det er å fortelle om finanstjenestene.

med trygghet gjennom svangerskapet, i permisjonstiden, og når hun begynner i jobb igjen, med en time betalt ammefri om dagen. Og vi bryr oss om far. Vi mener at far skal ha en reell mulighet til å ta del i sitt eget familieliv sammen med barnet sitt. Dette er altså Høyre og Fremskrittspartiet imot. Sånn vil de ikke ha det. De sier at de tenker på barnas beste. Er det ikke Et annet argument de framsetter, er at dette blir vanskeligere for menn som ikke jobber i det offentlige. Sannheten er jo at det særlig er dem dette kommer til gode. Endelig kan de ha noen i ryggen når de går til arbeidsgiver og sier at de vil være hjemme i tolv uker sammen med barnet sitt. Det er et reelt valg. Og selv om Fremskrittspartiet og Høyre er så veldig imot dette reelle valget, argumenterer de sterkt for at man må få kompensasjon hvis man ikke benytter seg av Det er en veldig underfundig oppfatning av hvordan velferdsstaten fungerer. Det er f.eks. ikke sånn at man kan få kontant betaling for hva det koster å ha barnet sitt i fjerde klasse om man tar det ut av skolen, eller penger igjen hvis man ikke har hatt hull og ikke har boret i alle tennene når man er atten. Familiepolitikk henger sammen med likestilling. Når man ser at det er et enormt lønnsgap mellom kjønnene, kan man velge å gjøre noe med det, eller man kan velge ikke å gjøre noe med det. Vi valgte å gjøre noe med det. Foreldrepermisjonen er med på å sikre at kvinner og menn står likt i ansettelsesprosessen. Dette er Høyre og Fremskrittspartiet imot. Det er ikke så rart, når sistnevnte sier at «statlig politikk innenfor likestillings- og diskrimineringsarbeidet er et stort feilgrep». Likevel er de senere i innstillingen veldig politiske når de snakker om De kaller dette enorme grepet for familien og for likestilling en «sosialistisk tvangstrøye». Det kan vel ikke være det mest parlamentariske uttrykket her i verden. Jeg har aldri sett en sosialistisk tvangstrøye, og jeg vet ikke helt hvordan den ser ut. Men ut fra historien kan det tenkes at en sosialistisk tvangstrøye ser ut som alt det de borgerlige har vært imot innenfor familiepolitikk og Dersom «sosialistisk tvangstrøye» er stemmerett for kvinner, full barnehagedekning, ammefri, å ta grep om lønnsgapet mellom kvinner og menn, å ta vare på hele familiens rett til å være sammen, og fedrekvote, så høres det ganske fint ut, særlig når Høyres og Fremskrittspartiets alternativ er fjerning av fedrekvote og dyrere barnehage. Det er vel en god,
Egentlig burde jeg jo være smigret over å bli nevnt så mange ganger i en debatt i Stortinget. Men måten Høyre har lest mitt intervju i Dagsavisen på, gjør i alle fall at det er veldig tydelig at det er påkrevet med økt satsing på leseferdigheter i skolen. For måten de har lest det intervjuet på, er noe spesiell. La meg benytte anledningen til å si noe om hva tanken bak et sånt utspill faktisk var. Og la meg aller først si at de aller fleste barn har i dag en god og trygg barndom. De fleste pilene peker i riktig retning. Samtidig kan vi nærmest daglig lese i avisene om barn som ikke klarer seg, om altfor mange unge som sliter med dårlig selvbilde, selvmordstanker, spiseforstyrrelser osv. Vi som har ansvaret for familiepolitikken, har en plikt til å spørre hvorfor det er så mange som sliter i vårt samfunn, hva det er samfunnet gjør med våre barn. Det er dette jeg ønsker en debatt om. Jeg er nemlig redd for at vi kan stå overfor potensielt enorme klasseskiller mellom de barna som blir dyrket av sine foreldre og de barna som blir neglisjert, mellom dem som gjør det godt i skolen og dem som faller utenfor, mellom dem som har god helse og dem som sliter med f.eks. fedme, mellom rike og fattige, og mellom dem som er omfattet av sterk sosial kontroll og dem som ikke opplever noen grenser. Vi bruker mye tid også i denne salen på å debattere hvordan vi kan skape best mulige velferdstjenester for å møte de nye utfordringene. Men vi kan ikke løse dette utelukkende med at det offentlige tar mer ansvar. Vi må våge å stille noen vanskelige spørsmål, og vi må våge å tenke nytt i familiepolitikken. Vi må komme oss ut av debatten om hva som er den riktige familien, til en debatt om hvordan vi kan bidra til at familien, stor eller liten, kan sikre hvordan vi kan styrke hvert enkelt barn til å få selvtillit, selvrespekt og selvinnsikt. Det trodde jeg faktisk høyrepartiene var enig i, men jeg registrerer at de ikke ønsker å ta denne debatten, og heller faller ned i ideologiske dogmer. Vi har alle sett eksempler på barn som kunne fått et bedre liv dersom de hadde fått hjelp tidlig nok. Disse barna har ingen sjanse nr. to, og i de mest ekstreme tilfellene må man kunne si: Nå kan vi ikke vente lenger. Dersom fireårskontrollen avdekker manglende språk og motorikk, mener jeg faktisk at varsellampene blinker så kraftig at man må være villig til å vurdere obligatorisk gratis barnehage for disse barna. Mange forskningsrapporter peker på at barnehage er det beste tiltaket for nettopp slike barn. Barn fortjener det beste vi kan gi dem. De skal slippe å si: Det kunne gått bra med meg, bare jeg hadde fått

Jeg står her i dag, men vi kan vel si at Audun Lysbakken har kommet litt lenger i oppfyllelsen av tredelingen av fødselspermisjonen enn meg. Han sitter vel hjemme og hører på denne stortingsdebatten, kjenner jeg ham rett. Grunnen til at vi satte i gang den jobben, var nettopp at vi var opptatt av Jeg har vært engasjert i det spørsmålet helt fra jeg som liten guttunge – som åtteåring tror jeg – ringte inn til radioen og insisterte på at jeg var et lykkelig skilsmissebarn. Den gangen var som kjent alle skilsmissebarn ulykkelige. Jeg mente at det ikke var sånn, og grunnen var at jeg hadde to foreldre som tok ansvar for likeverdig foreldreskap. Jeg har alltid senere vært opptatt av at det er et gode som alle unger bør få oppleve. Det er veldig sjelden vi i politisk håndverk kommer over så utrolig universelle virkemidler, og noe som fungerer som universalmiddel sånn som tredeling av fødselspermisjonen faktisk gjør. Vi har fra den gang vi startet den kampanjen, gått fra fire uker til fem og seks uker – da vi kom i regjering – til ti uker, og i dag skal vi vedta tolv ukers pappapermisjon. Det er altså et på at politikk og politisk kampanje virker, når du bare har gode nok argumenter og er utholdende nok. For dette med en tredeling av fødselspermisjonen er bra for far, for du får knyttet deg mye bedre til ungene dine når ungene er

om hvordan kvinner diskrimineres på arbeidsmarkedet. Alle vet hvor viktig det er: De to statsrådene som sitter her, har hatt innlegg som peker på svensk forskning, som viser nettopp hvordan en bedre fordeling av pappapermisjonen fører til at lønnsgapet mellom kvinner og menn tettes, og det er bra for ungene – det siste er det viktigste. Og når en nå gradvis får gjennomført det grepet å sørge for at det blir bedre for ungene, bedre for far og bedre for mor, så er det bare å skåle for May Hansen – som var en av de første som fremmet et sånt forslag her i stortingssalen – Gunn Karin Gjul, SV-ere, Audun Lysbakken, Arild Stokkan-Grande og alle andre som har vært med på å sørge for at dette faktisk blir virkelighet. Det er altså så enkelt som at her går skillet mellom høyresiden og venstresiden – så klokkeklart. Og vi vet hva som skjer hvis Høyre og Fremskrittspartiet overtar – da raseres denne ordningen. Jeg må si at jeg setter pris på representanten Holmås' entusiasme og engasjement for fedrekvoten og for at vi har klart å nå så Jeg må si at jeg setter pris på representanten Holmås' entusiasme og engasjement for fedrekvoten og for at vi har klart å nå så pass langt på så kort tid. Det som imidlertid er litt mer bekymringsfullt, er forslaget som Høyre og Fremskrittspartiet sak om å gi alle fedre selvstendig opptjeningsrett og uttaksrett til fedrekvoten gitt at mor oppfyller kravene til aktivitetsplikt». Poenget er at det ble innført fra 1. juli 2009. Det som er fakta, er at når bare kan han ta ut foreldrepenger på sjølstendig grunnlag forutsatt at mor oppfyller aktivitetskravet. Hun må gå ut i arbeid eller studier, eller være for syk til å ta seg av barnet. I slike tilfeller kan far ta ut inntil 37/47 uker, dvs. ni uker mindre enn den totale stønadsperioden, når mor har opptjent rett. De tre ukene før fødselen og de seks ukene etter fødselen, som er forbeholdt mor, trekkes fra denne perioden. Tidligere ble fedrekvoten trukket fra i slike tilfeller. Dette ble altså endret med virkning fra 1. juli 2009. Den statsråden som innførte det, sitter jo her som kulturminister i dag og kan bekrefte det. Hvis Høyre og Fremskrittspartiet fremdeles er i tvil om at det er slik, kan de bla opp i Ot.prp. nr. 56 for på side 6, andre spalte, står: «Departementet foreslår å styrke fedres rettigheter ved å gå bort fra prinsippet om at fedrekvoten trekkes fra der bare far har rett til foreldrepenger. Denne gruppen fedre vil da få rett i hele perioden med unntak av de ni ukene som er forbeholdt mor. Dette gir et uttak for disse fedrene på 37/47 uker.» Det var altså en endring som ble foretatt i folketrygdloven § 14-14. Derfor tror jeg det er klokt av Høyre og Fremskrittspartiet å trekke dette forslaget, for det ville jo være dumt å stemme for et forslag som allerede ble vedtatt i Stortinget for et og et halvt år tilbake.
Det har vært en god debatt, men det var et lite øyeblikk der jeg lurte på om jeg var kommet på et 8. mars-arrangement når det gjaldt en del innlegg om likestilling. La meg slå det helt klart fast: Fremskrittspartiet ønsker også likestilling. Men i motsetning til regjeringspartiene, som hele veien snakker på inn- og utpust om likestilling – de skal ha kvotering, de skal ha kvoter, og det er liksom det som er likestilling – så er også likestilling for Fremskrittspartiet å satse på de kvinner som er undertrykte. Ikke ett sekund hørte jeg at det var noen som snakket om de som lever i Norge, som er undertrykket, og som også er utsatt for tvangsekteskap. Men vi skal komme tilbake til dette i debatten om likestilling i forbindelse med den likestillingsmeldingen som skal behandles etter jul. Det ser Fremskrittspartiet fram til. Så er det en fornøyelse å høre på representanten Stokkan-Grande, og det var en morsom historielesning han kom opp med her nå. Det er 20 år siden, og jeg har lyst til å minne representantene om at det er Arbeiderpartiet som har styrt dette landet mesteparten av disse årene, uten at vi har sett de helt store forbedringene når det gjelder en del ting. Så sier statsråd Aasland at det er på tide at det kommunale barnevernet har fått et løft. Til og sier statsråd Aasland at det er på tide at det kommunale barnevernet har fått et løft. Til og med Karin Andersen innrømmer at det var flere kommuner som ikke benyttet seg av det å styrke det kommunale barnevernet i fjor, men at de nå kommer til å gjøre det. Det er flott. Fremskrittspartiet støtter regjeringens forslag om å styrke det kommunale barnevernet, men Fremskrittspartiet mener det ikke er nok. Det å bli beskyldt i denne sal for at vi kutter med øks, må jeg si er ganske graverende. Men jeg trøster meg med at angrep er det beste forsvar, så når de ikke klarer å forsvare sitt eget budsjett, går de til angrep på Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet kutter ikke i barnevernet. Vi styrker det kommunale barnevernet. Når vi da blir beskyldt for at vi kutter i det statlige barnevernet fordi der er det så og så mange stillinger, vil jeg minne representantene om at det er 28 fagteam som ikke har kontakt med de barna som trenger hjelp, i det hele tatt. Kommunene sier selv at de ønsker å overta ganske mye av det arbeidet. De blir overkjørt av Kommunene ønsker selv å kunne plassere barna rundt omkring, og med Fremskrittspartiets budsjett blir kommunene styrket. Så kan jeg trøste representanten Gullvåg med at Fremskrittspartiet har tro på familien. Familien er en av de viktigste grunnpilarene, og staten kan aldri overta det ansvaret. Så snakker representanten så varmt om at han er redd for dem som ikke har råd til å kjøpe seg ski, og ikke har råd til å gå og kjøpe gaver. Javel, vi får håpe han har den samme bekymringen når det gjelder de familiene som sitter der ute i dag og er bekymret for hvordan de skal få råd til å betale ting, fordi det er så høye strømpriser i
Jeg blir litt overrasket når jeg hører debatten i dag. Det står 180 barn i kø for å få fosterfamilie. Det står 39 barn i kø for å få institusjonsplass, og det er flere tusen barnevernssaker som henlegges hvert år. Hva gjør regjeringen og de rød-grønne med det? Jo, de rød-grønne står her i salen og legger skylden på opposisjonen, og de hakker og kritiserer. De kommer ikke med noen tanker, har ingen ambisjoner, ingen visjoner om hva de skal gjøre for de stakkars barna som er der ute, og som forventer at det tas politiske grep. Jeg synes det er smålig at når vi her har en debatt om barnevernet og fremtiden til disse barna, kommer man og beskylder opposisjonen for Jeg hadde også håpet at man, når man sitter på Stortinget, ser at det er en forskjell på kutt og omdisponeringer, at det er en vesensforskjell – særlig siden det også er de måte å forsvare seg på. Jeg tror ikke de er veldig bekvemme med at Høyre er de som øker bevilgningene til barnevernet i kommunene, mens vi kutter 300 mill. kr i det statlige barnevernsbyråkratiet, hvor alle kommer og foreslår et sånt kutt. Jeg synes det også er veldig spesielt at når de rød-grønne uttaler seg om en så alvorlig sak som barnevernet, bruker man sterke ord. Lederen av familiekomiteen går ut og sier at Høyre raserer barnevernet. Kristina Nilsson Ramsøy, representanten fra Senterpartiet, sier at Høyre raserer barnevernet. SV legger seg på et nivå der de forteller at Høyre spiller russisk rulett med disse barna. Det bekymrer meg at ansvarlige politikere, med det øverste ansvaret for barnevernet, opp til at vi skal ha en debatt på dette nivået. Det bekymrer meg at vi har en regjering og rød-grønne politikere i Stortinget som ikke bruker denne muligheten til å komme med konstruktive tiltak, forslag til hvordan vi skal bedre barnas hverdag – all den tid de selv evaluerer, utreder og setter ned utvalg. Det er Hvis Høyres forslag er et så stort problem, må man be Finansdepartementet ta kontakt med Stortinget i dag. Vi har spurt om hva provenyet på fedrekvoteforslaget vårt er. Det har vi fått. Vi har spurt om hvor mange fedre det er som ikke har selvstendig opptjeningsrett. Vi har fått tallet på de fedrene. Vi refererer til likelønnsmeldingen, hvor disse fedrene står omtalt, som ikke får foreldrepenger fordi det ikke er noen fedrekvote.

Jeg er for øvrig enig med siste taler i at det ikke holder når de som faktisk sitter ansvarlig for barnevernet, bruker store deler av debatten til å kritisere det de, for så vidt med rette, kaller urealistiske budsjettforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet. De skryter av sitt eget statsbudsjett, uten å bruke tiden på å snakke om hva man ønsker å gjøre i tiden framover, og uten å legge fram noe forpliktende overfor Stortinget om hva man ønsker å gjøre framover for barnevernet – for det er det barnevernet trenger. Så er det interessant å se hvordan debatten om pappaperm igjen polariseres mellom en høyreside som ikke skjønner betydningen av at pappapermen faktisk er et virkemiddel for å sikre valgfrihet, fordi menn ønsker å ha fedrekvoten og trenger det trumfkortet overfor sine arbeidsgivere. På den andre siden har man venstresiden som ønsker å misbruke fedrekvoten til å gjøre den til en tvangstrøye, å ta flere måneder av det som er felles del, og dele ut dette til foreldrene i en ferdig pakke som foreldrene må forholde seg til. Kristelig Folkeparti ønsker å beholde fedrekvoten som et positivt virkemiddel, et positivt verktøy/trumfkort for fedre, som gjør at det fortsatt er entusiasme, støtte og oppslutning om det virkemidlet, slik at det kan være som et gode for familiene og likestillingen også i lang tid framover. Så viser representanten Stokkan-Grande til at han er bekymret for et klasseskille mellom norske familier. Kunnskapsministeren sier at hun er bekymret for de barna som ikke går i barnehage. Når jeg hører at de rød-grønne har bekymringer og snakker om dette klasseskillet, får jeg inntrykk av at det er noen som tar seg veldig godt av barna sine, og noen som tar seg dårlig av barna sine – og at det beste hadde vært noe midt imellom for alle sammen. Svaret er angivelig at vi bare må passe på at det offentlige tar en større del av omsorgen for alle barna – ikke bare for de mest utsatte, men for alle barna – slik at det blir et gjennomsnitt, og at staten overtar ansvaret. Hvis det er slik at man ikke har godt nok språk ved fireårskontrollen – hva er grunnen til det? Er det kanskje fordi man har dårlig hørsel, eller fordi man trenger en logoped, fordi man trenger annen oppfølging? For de rød-grønne er det slik at barnehage er svaret – hva var spørsmålet? Hvis statsråden leste rapporten fra sitt eget utvalg, om barnehager og obligatorisk barnehage, ville hun finne at forskningen viser at det ikke nødvendigvis er de mest utsatte barna som ikke går i barnehage. Det er noen ganske få som ikke lenger bruker barnehage før skolestart. Men det er faktisk veldig mange ressurssterke foreldre som gjør bevisste valg. La dem få lov til det, så kan de fleste av oss velge en god barnehage av høy kvalitet, som skal være bra for barna og de familiene som velger det i årene framover.

det meste til kommunene, og ganske mye til det statlige barnevernet. Det er også forslag om historiske videreføringer av viktig likestillingspolitikk. Men det er klart at liker man ikke disse forslagene, oppfattes de vel ikke som konstruktive. Jeg mener det er særdeles konstruktive forslag. Jeg har bare lyst til å nevne en sak, som både Kristelig og Høyre, ikke minst Olemic Thommessen, var inne på her. Det viktige med de 240 mill. kr som går til kommunene, er at disse pengene er øremerket, slik at vi er helt sikre på at de går til nødvendige stillinger. Jeg tviler på at kommunene klarer å Høyres og Fremskrittspartiets forslag om enda mer penger til kommunene. Vi er opptatt av at kommunene får tilstrekkelig med penger og stillinger, men at de også får folk i de stillingene, som kan gjøre den jobben på en best mulig måte. Så til det framtidige, og det Olemic Thommessen var inne på. Regjeringens plan er jo for det første å styrke barnevernet nå i budsjettet. Vi har allerede startet en forskningsevaluering av det som kalles denne forvaltningsreformen i barnevernet, for å se hva det er som eventuelt kan gjøres annerledes. I morgen skal jeg i det første møtet med barnevernspanelet, som er satt ned med Helen Bjørnøy som leder. Vi ber panelet om å vise oss noen måter framtidens barnevern kan se ut på. Vi ønsker å få konkrete anbefalinger, og vi ønsker å få en debatt om dette – ikke bare i panelet selv, som er bredt nok sammensatt, men også en debatt utad om dette. Det panelet ble nedsatt av Audun Lysbakken den 15. november i år, og det skal levere rådene sine i september 2011. Disse innspillene vil være grunnlaget for den stortingsmeldingen om barnevernet som vi skal legge fram etter at de er ferdig. Så her er det reformvilje fra regjeringspartiene. Vi ser at det er behov for å gå igjennom de ordningene vi har, ikke minst når det gjelder forholdet mellom stat og kommune. Og vi har altså tatt alle disse grepene og satt i verk alle disse tiltakene, inklusiv en stadig økning av bevilgningene, for at det ikke skal stoppe opp, men at vi samtidig klarer å tenke nytt. Så jeg har håp om at vi får et bedre barnevern i framtiden, og det trenger vi, for barna trenger det.

Dels har dét dreid seg om penger, men det viktigste poenget mitt ved denne korsvei går på det strukturelle og det går på – på en måte – å kunne gi oss noe rundt hva regjeringen tenker om helt konkrete tiltak. Jeg skjønner at det er et panel som skal gjøre denne tenkingen på vegne av regjeringen. Vi hadde kanskje trodd at regjeringen også hadde tenkt litt på egen hånd – men la bli med det. Vi håper at dette panelet kan komme opp med tiltak som kan møte barnevernet med den skreddersømmen som barnevernet krever. For noe av det som er veldig utfordrende med barnevernet, er at de barna som dette omfatter, ikke er mange i antall, men de er til gjengjeld ganske krevende, og de krever en veldig høy grad av skreddersøm. Det er jo også noe av bakgrunnen for at vi tidligere har vært opptatt av mangfoldet av institusjoner, uansett eierskapet til disse. Så har jeg lyst til å ta en liten sving innom statsråd Halvorsen, som ikke er her akkurat nå, men det jeg hadde tenkt å si til henne, kan noen bringe videre: Jeg synes hun sa litt for lite om rekruttering til barnehagene. Det er viktig når man går inn i det kvalitetsarbeidet, som statsråd Halvorsen pekte på, at man også har en skikkelig offensiv når det gjelder å skaffe kompetent personale, kvalifisert personale, i barnehagene. Vi opplevde i forbindelse med seksårsreformen i skolen at det tappet barnehagene for en del kompetent arbeidskraft. Det har vist seg å være en tøff runde å få det tilbake igjen. Der må det en offensiv holdning til og nok også litt mer konkretisering enn det vi har sett, eller har hørt om, så langt. Så har jeg lyst til å plukke opp tråden fra representanten Gullvåg når det gjelder barns og det er jo en fin overgang til kulturdebatten, hvor jeg nok tror at det også blir tema. For barns deltagelse i kulturaktiviteter – der er jeg helt enig med representanten Gullvåg – er et helt sentralt poeng i forhold til hvordan ens inngang til livet som samfunnsmenneske blir. Jeg merket meg at representanten Gullvåg var en varm tilhenger av Høyre er også positiv til det. Vi har satt av 10 mill kr. i dette budsjettet, og vi har på sosialbudsjettet også en post på 15 mill. kr – med det i bakhodet. Dette blir en viktig debatt fremover, og det er en debatt som vi får komme tilbake til ved behandlingen av kulturbudsjettet. Representanten Arild ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg ber om ordet for å be om å få en oppklaring fra Høyre, for Linda C. Hofstad Helleland sier to ting i et av sine innlegg som jeg sliter med å få til å gå i hop. På den ene siden sier hun at vi må stole mer på foreldrene, og hun påstår at vi bruker for mye tvang og vil ha seg frabedt at samfunnet i enkelte tilfeller griper inn. Like etterpå raljerer hun over at regjeringen gjør for lite og svikter norske barn som trenger hjelp, og at man ikke evner å gripe inn. Hun er jo så sterkt bekymret for barn som er utsatt for omsorgssvikt, og det er bra, men alle forslag for å hjelpe disse barna blir karakterisert som tvang. Derfor vil jeg gjerne at Høyre klargjør grensegangen for når det er ok at samfunnet griper inn for å hjelpe barn som er utsatt Er det for mye tvang – eller er det for lite tvang? For Høyre sender nå ut ganske
For å bygge et godt samfunn for alle er det kjempeviktig at vi klarer å skape en god oppvekst for alle, og da handler det om å klare å gi hjemmene en mulighet til å være familier og til å skape den gode oppveksten for barn og unge. Og da har vi noen veldig gode verktøy for det: Vi har foreldreveiledning, og vi har samlivskurs som er gode verktøy for familiene i er at samfunnet sparer seg jo til fant på disse tingene! Det er snakk om små midler som utgjør et godt verktøy for familiene, og vi burde ha fått til så mye mer og en mye større satsing på dette enn det regjeringen klarer å få til. Men for å skape en god oppvekst for alle trenger vi også et godt og sterkt barnevern. Som saksordfører for barnevernsmeldingen i 2003 er det en glede for meg å høre at barnevernet fortsatt utløser et så aktivt hjerte-engasjement i Stortinget som det vi hører i dag. Men jeg er også jeg hører at noen av de samme argumentene som ble brukt den gang, også brukes nå, nemlig at på den ene siden sier vi at barnehagen er det beste stedet for barn å være, men på den andre siden ser vi at barnehage, skole og helsestasjon er de dårligste til å melde fra når de ser at barn ikke har det bra. Det er faktisk slik at foreldrene har større tillit til barnevernet det de ansatte har. Da har vi en stor utfordring, og det er en sorg å merke at dét fortsatt er en utfordring ute. Og det er ironisk at på den ene siden ønsker de rød-grønne – de snakker men det er kanskje mest barn de skal rekruttere og ikke så mye voksne – at man skal bruke barnehagen som et beskyttelsessted, og på den andre siden klarer man ikke å få de ansatte i barnehagen til å melde fra når de ser at ting ikke er bra. Det samme gjelder i forhold til skolen. Jeg sitter nå i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og jeg er kjempebekymret for at vi ikke får skolen til å være en god medspiller for de svakeste mener at vi trenger folk med barnevernsfaglig kompetanse i skolen, slik at vi kan lage en bro og være et bindeledd mellom skole og barnevern og få dette til. Og så blir jeg utrolig lei meg når jeg fra venstresiden hører at kvinnekampen er lagt ned. Det man nå sier, er at for første gang er det familien som har ansvaret for lønnsgapet. Før var kampen at kvinner skal ha mulighet til å føde barn, kvinner skal ha mulighet til å ta foreldrepermisjon uten at de taper. Nå har vi fått en likelønnskommisjon som sier: Nei, det er familienes skyld. Så dumt at de tok foreldrepermisjon, da. Det er en fallitterklæring for likestillingen det vi nå ser, at vi nå skal stramme inn på de rettighetene som kvinner har kjempet fram for oss før. Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti fortsatt står for tradisjonen og kvinnekampen i denne salen, selv om vi er alene. Representanten Hofstad Helleland hadde et angrep på regjeringen som jeg synes det er naturlig å svare på. Jeg vil ikke si at vi har lagt skylden på opposisjonen for situasjonen i barnevernet, og at vi ikke er konkret. Ja, jeg er enig med representanten Hofstad Helleland i at det trengs endringer. I mitt tidligere innlegg her var jeg bl.a. inne på hva Senterpartiet mener er viktig. Vi ønsker mer kompetanse og ressurser, og mer ansvar til kommunene. Vi ønsker mer forebygging, mer krav til samarbeid på tvers av etater, mer forutsigbarhet for en del av tilbyderne i barnevernet, og en annen ansvarsfordeling enn i dag. Men før vi hopper til en slik kjapp konklusjon og kommer med enkle løsninger, det er satt ned et utvalg som skal evaluere barnevernsreformen. Jeg er overrasket over at opposisjonen velger å latterliggjøre dette på den måten. Dagens barnevernsreform er jo kanskje et bevis på at det er viktig at vi bruker tid på å komme fram til en barnevernsreform for framtiden, en barnevernsreform til beste for ungene, for dagens barnevernsreform har ikke vært en suksess. Så blir vi beskyldt for arroganse, og at vi er fornøyd. I mitt tidligere innlegg sa jeg at mye er gjort, og at mye gjøres i dette budsjettet, men at det ikke er tvil om at vi også har mye ugjort foran oss. Så til Høyres og Fremskrittspartiets budsjetter. Vi har ikke brukt så mye taletid på dem, i hvert fall ikke Men poenget er at så lenge det statlige barnevernet i dag har ansvaret for fosterhjem og institusjonsplasser og for mye av det de har ansvaret for i dag, før vi foretar en slik oppgaveendring som Høyre og Fremskrittspartiet ønsker, vil et kutt her føre til et kutt nettopp i Så kan vi gjerne være enig i at vi ønsker en slik oppgaveendring, men før den endringen har skjedd, vil det i realiteten være et kutt i tilbudet til de ungene, for man klarer ikke å kutte så mye byråkrati over natten. Vi kan være enige om at det trengs endringer, men før de endringene man ønsker, er gjort, vil dette bety et veldig dramatisk kutt. Mitt ønske er at vi skal komme fram til en barnevernsreform for framtiden som et samlet storting kan stille seg bak. Det er ikke bare panel og utvalg som skal diskutere dette temaet, men det er et tema som skal diskuteres i Stortinget, og som bør finne sin løsning i Stortinget, nettopp fordi dette er en viktig sak også for framtiden, hvordan vi skal få et barnevern som klarer å ta alle de problemene som vi er enige om finnes. Da må vi ha en diskusjon her om hvordan vi skal løse det. Men jeg mener det nesten er uansvarlig at vi skal trekke lette og enkle konklusjoner uten at vi har hatt en skikkelig gjennomgang for å se hva evalueringen kommer fram til. Dette er så krevende og komplekst at vi kan ikke bare gjøre små endringer her og der. Dette må ses i en sammenheng. Det er få i familie- og kulturkomiteen som er fremmed for litt frisk ordbruk i saker som engasjerer oss veldig. Barnevernet er en av de sakene. For eksempel har representanten Hofstad Helleland omtalt statsråd Lysbakken som en desperat mann, som en mann som har privatallergi, og hun har omtalt foreldrepengeordningen som en sosialistisk tvangstrøye. Og slik diskuterer vi litt fram og tilbake når vi blir Det synes jeg det skal være takhøyde for i denne sal. I denne sal må også alle tåle å få politikken sin og forslagene sine diskutert. Jeg tar Høyre og Fremskrittspartiet på alvor, fordi de har ambisjoner om å styre landet. Representanten Hofstad Helleland ramser opp at barn står i kø for å få fosterhjemsplass, og barn står i kø for å få institusjonsplasser, men i sitt alternative budsjett kutter de nettopp i bevilgningene til de etatene som har ansvaret for disse plassene. Da synes jeg det er litt merkelig å hevde at det er løsningen. Det synes jeg at vi må ha anledning til å Vi er i gang med en evaluering av det statlige barnevernet, fordi vi mener, i likhet med veldig mange representanter her, at det må gjøres systemendringer i barnevernet. Men vi har ikke lyst til å gjøre den samme feilen som den borgerlige regjeringen gjorde sist, nemlig å tre en reform ned over hodet på de ansatte. Jeg merker meg at det er ingen av dem som var pådrivere for den reformen da, som forsvarer den i denne sal i dag. Det er viktig at vi, som representanten Nilsson Ramsøy var inne på, bruker tid på at de reformene vi gjennomfører, skal bli skikkelige og varige, for det unner vi vil jeg også legge til at det er svært mange rød-grønne representanter som her i dag har vist entusiasme for budsjettet, for egne forslag, og snakket mye om det. Det synes jeg ikke fortjener å bli usynliggjort. Jeg forstår det slik at Fremskrittspartiet etter moden overveielse er kommet til at det er strømprisen i Midt-Norge som er hovedårsaken til fattigdommen i den delen av landet, og derav manglende aktivitetstøtte til barn som ikke lever i familier med god nok råd. Det er i så fall en meget akutt fattigdom vi er vitne til i den delen av landet. Jeg kan opplyse representanten Horne om at i andre deler av landet har man også fattigdom, fattige familier med barn. Karakteristisk for disse familiene er at de er Hvis vi holder oss til Fafos definisjon av fattigdom, er familier med to barn som har en inntekt under 300 000 kr i året, fattige. Derfor er dette også et likestillingsspørsmål, for det er oftest kvinnene som er hjemme i de familiene som har familieinntekter på under 300 000 kr. Når regjeringen satser så kraftig på arbeidslinjen for å få bukt med fattigdommen, møter vi også et kulturelt problem fordi mange av de familiene som lever under denne fattigdomsgrensen, er innvandrerfamilier hvor kvinnene er hjemme og ikke ute i arbeid. Dette er et stort problem, som vi neppe løser med noen form for «quick fix». Når jeg advarte mot representanten Hornes vektlegging av foreldreansvaret, var det det i mange tilfeller er slik at foreldreansvaret overprøver barnevernet. I mitt fylke har vi dessverre hatt noen skjebnesvangre tilfeller der manglende barnevern har rammet unger i meget sterk grad.
Representanten Øyvind Håbrekke har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representantene Ramsøy og Barstad bruker behovet for grundig behandling som en slags unnskyldning for at vi skal bruke så lang tid på å gå igjennom strukturen i barnevernet. Det er greit, det er ingen som har kritisert at man bruker lang tid på strukturen. Det er også sånn at det var hele Stortinget som sto bak den forrige barnevernsreformen. Men det var en forutsetning den gangen at ressursene skulle kanaliseres inn mot de ungene som trengte hjelp. Det er den sittende regjeringen, som har styrt dette apparatet i fem år, som har ansvaret for at så ikke har skjedd. Så vil jeg til slutt i debatten henlede oppmerksomheten på et forhold som ikke har fått så mye oppmerksomhet i innstillingen, nemlig at Fremskrittspartiet sier i merknadene sine at generelle samlivstiltak ikke er noen offentlig oppgave, men at det er veldig viktig å støtte familier som har et høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd – noe som jo er veldig inkonsekvent og viser at man er mer opptatt av å reparere enn av å forebygge.
Representanten Solveig Horne har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. For ca. fem år siden var det en statsråd som hadde en gul lapp på pulten sin Jeg må si at jeg merker meg kritikken av egen regjering fra Gullvåg når det gjelder fattigdomsbekjempelse. I Dagsavisen for en tid tilbake, etter at fattigdomsbekjempelsen var avblåst, innrømte regjeringen selv at man hadde ikke kommet så langt som man hadde tenkt. Skatte- og avgiftspolitikken, spesielt avgiftspolitikken til denne regjeringen, er en medvirkende årsak til at en del familier sliter. Det er flott at Gullvåg engasjerer seg for dette. Det jeg sa om strømprisene i mitt innlegg, var faktisk for å vise at veldig mange av dem som sliter, er bekymret for strømprisene. Jeg håper at Gullvåg er like bekymret, men jeg har ikke sett at han har engasjert seg i debatten om strømprisen. Representanten Linda C. Hofstad Helleland har hatt ordet to ganger og får ordet til

tiltak for å la barn få muligheten til å bidra i fritidsaktiviteter. Høyre foreslår 20 mill. kr til det. Hans eget parti stemmer imot. Før han tar sitt neste innlegg, bør han se på hva som står i innstillingen, og kanskje vurdere å endre oppfatning når vi skal ha voteringen i dag. Så vil jeg si til representanten Ramsøy at det er veldig flott at regjeringen bruker tid og er grundig i sin utredning og evaluering. Men regjeringen har gjort dette i seks år, og det er derfor disse barna og barnevernet ikke har grunn til å vente noe mer. Det har så å si skjedd nesten ingenting på dette feltet siden de tok over. Så, til sist, til representanten Stokkan-Grande: Høyre vil hjelpe de barna som trenger det, og la familier og andre barn leve sine liv slik de selv ønsker. Det er det enkle svaret på det. Representanten Steinar Gullvåg, som har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad begrenset til 1 minutt, er foreløpig siste inntegnede taler. Presidenten lurer på om det at hun sier det, gjør at man trykker
Jeg ventet bare på det. I Fremskrittspartiets politikk er altså skatt også en del av fattigdomsbekjempelsen. Men det er jo slik at de som lever med lave inntekter, betaler svært lite skatt, mange av dem ikke i det hele tatt, fordi de lever på offentlige ytelser. Jeg må si at jeg er ganske stolt over det regjeringen har gjort for å bekjempe fattigdom, men jeg er ikke fornøyd. Vi har mye ugjort, og det er derfor vi fortsetter arbeidet med å bekjempe fattigdommen i dette samfunnet med uforminsket styrke. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 2 og 3, rammeområde 2. Vi går da over til rammeområde 3, sakene nr. 4 og

Kultur-Norge har opplevd tidenes satsing på kultur etter at den rød-grønne regjeringen tok over i 2005. Med budsjettet for 2011 passerer opptrappingen over 3 mrd. kr. For kultursektoren er dette veldig mye penger. Når vi vet at vi i 2005 brukte 5 mrd. kr på kultur og i 2011 over 8 mrd. kr, får vi et godt bilde av hvilke store forandringer som har skjedd i Film er et veldig godt eksempel. Siden 2005 har film fått 213 mill. kr mer. Vi har nådd målet om 25 langfilmer i året. For øyeblikket går det over ti norske filmer på kinoene her i Oslo. Målet i Kulturløftet II er at Norge skal bli ledende i Norden på film, fjernsynsdrama og dokumentar. For tredje året på rad vil antall besøkende på norske filmer ligge på over 2,6 millioner besøkende. Med unntak av 2003 må vi helt tilbake til 1975, da Flåklypa ble lansert, for å finne over 2 millioner dreier seg ikke bare om kvantitet, men også kvalitet, den satsingen vi har gjort på film. De siste årene har en rekke norske filmer blitt prisbelønt på internasjonale filmfestivaler. Norsk film skapes og produseres nå i hele landet. Vi har lyktes med å etablere en rekke filmmiljøer rundt om i Norges land. Film er en kulturnæring i vekst både i Målselv og på dansen langt bedre rammebetingelser. De siste årene har interessen for dans hatt en kraftig oppblomstring, ikke minst etter realiseringen av Dansens Hus. Men dansen er fremdeles en kunstform som er under oppbygging i Norge, og i budsjettet for 2011 viderefører vi satsingen på dans og styrker tilskuddsordningen for dans med 3 mill. kr over Norsk kulturråds avsetning til scenekunstformål. Levekårsundersøkelsen for kunstnere at dansekunstnere og koreografer er en av gruppene med de dårligste lønns- og arbeidsbetingelsene. En opprettelse av en norsk skuespiller- og danseallianse vil være et særdeles viktig tiltak for å bedre deres levekår. PRODA – profesjonell dansetrening er et sentralt treningstilbud for profesjonelle dansere. Vi mener dette er et infrastrukturtiltak, og derfor har et flertall i komiteen flyttet tiltaket fra post 74 til post 78 som en egen avsetning under Dansens Hus. Vi mener at denne organiseringen skal bidra til å samordne infrastrukturtiltakene på en ubyråkratisk Historisk har ikke det profesjonelle vokalfeltet hatt de samme utviklingsmulighetene og det økonomiske grunnlaget som instrumentalfeltet. I budsjettet for 2006 tok derfor det rød-grønne flertallet på Stortinget initiativ til en profesjonalisering av kor. Som følge av dette ble det i perioden 2008–2009 gjennomført et prosjekt. Gjennom denne prosessen har det framkommet mange og delte meninger om profesjonalisering av kor i musikkmiljøene. Et stort flertall i Stortinget har ment det er langt mer realistisk å satse på profesjonalisering av eksisterende kor enn å etablere nye institusjoner. Derfor har vi gjennom budsjettprosessen valgt å gå videre med fem av de korene som var en del av prøveprosjektet for profesjonalisering. Dette er et første skritt mot en varig styrking av og mer forutsigbare rammer Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen mener frivilligheten spiller en enormt viktig rolle i det norske samfunnet, og det er grunnleggende for å skape trygghet og et inkluderende fellesskap der alle kan delta. Frivillig sektor er den store budsjettvinneren på kulturbudsjettet for 2011. Gjennom en kraftig økning av momskompensasjonsordningen får frivillig sektor mange ganger mer i økning enn de andre aktørene på kulturfeltet. Denne momskompensasjonsordningen utgjør den største satsingen over statsbudsjettet noensinne, og det vil foreligge en opptrapping de kommende årene. Når man legger til det regjeringen allerede har gjort av endringer i tippenøkkelen over statsbudsjettet og gjennom tiltak for å redusere byråkrati og skattebyrde, er konklusjonen at ingen annen regjering noen gang har satset så mye på det frivillige Norge. Årets kulturbudsjett er som de foregående kulturbudsjett for denne regjeringen, historisk, og vi kommer til å følge opp Kulturløftet til vi har kommet i mål. Helt til slutt vil jeg fremme forslag nr. 34, på vegne av regjeringspartiene. Representanten Gunn Karin Gjul har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det åpnes for replikkordskifte. På 5 minutter er det ikke alle temaer man klarer å komme inn på. En av de tingene som har vært debattert mye i det offentlige rom de siste ukene, er spillpolitikken. Det man ser, er at mer og mer av spillene går over til å bli nettbaserte løsninger. I Norge har vi en stor og aggressiv aktør når det gjelder spillpolitikken, og det er Norsk Tipping. Det er den største aktøren, og den mest aggressive aktøren – faktisk så aggressiv at man har egne tv-sendinger for å få ut sine egne produkt pluss alle de midlene man helt uhemmet bruker på reklame. I tillegg ønsker man også å utvikle nye spill for å tilrane seg større markedsmakt. Da er spørsmålet til representanten Gjul om hun støtter at Norsk Tipping skal få lov til å utvikle nye nettbaserte
og også representanten Gjul, mener at det vil være å gå med ryggen inn i framtida hvis vi ikke skal tillate at Norsk Tipping skal få lov til å utvikle spill på nettet. Hvis vi nå skal snakke om aggressive aktører på dette feltet, er det de som opererer ulovlig i Norge gjennom det internasjonale spillmarkedet. Det er spill som er av en aggressiv karakter, og som bidrar til at folk får spillegalskap. Det er nettopp det Fremskrittspartiet ønsker. De ønsker at de store aktørene internasjonalt skal komme inn på det norske markedet og ta over spillene for Norsk Tipping, som i dag er et statlig monopol som bidrar til en ansvarlig spillpolitikk, og som bidrar til at vi faktisk kan sikre at folk som får problemer, kan stoppe spillene på dagen. Fremskrittspartiet ønsker en annen politikk. De ønsker faktisk at det skal være fritt fram for spill som er av en helt annen aggressiv karakter, og som vi overhodet ikke vil ha muligheten til å kontrollere på samme måten som vi har muligheten til å kontrollere Norsk Tipping. I tillegg bidrar Norsk Tipping til store inntekter til frivilligheten og til idretten. Det ønsker vi de skal fortsette med. Norsk kulturråd har fått mer makt, og vi har fått et styre som er Norsk kulturråd har fått mer makt, og vi har fått et styre som er faglig kompetent. Da er det viktig å gå opp grensegangen mellom departement, storting og kulturråd. Hvor langt går Kulturrådets fullmakter, og hva er det egentlig Kulturrådet skal drive med, for å si det sånn? Hvis man leser merknadene i innstillingen, er det litt forvirrende å skjønne hva regjeringspartiene legger i styringsdialogen, som de kaller det, i forhold til de enkelte postene i Kulturrådet. Vi har hatt den tradisjon her i Stortinget at vi har kunnet legge poster direkte inn på det vi kaller for har holdt oss unna 55-posten når det gjelder å legge prosjekter direkte inn i. Denne gangen har regjeringspartiene lagt inn Kattas Figurteater. Mitt spørsmål er: Kan representanten Gjul forklare meg forskjellen på post 55 og post 74 i forhold til hvilke fullmakter Norsk kulturråd
Det er riktig at vi gjennom dette budsjettet ønsker å tildele Kulturrådet mer makt. Vi ønsker at det kollektivet organet i Kulturrådet skal få muligheten til å forvalte mer av tiltakene gjennom den eksisterende post 55, i tillegg til at vi skal få en post 56, som gjør at vi kan ha flerårige tiltak. Dette er jo en av Løken-utvalgets rapport. Så utfordrer jo Olemic Thommessen meg på spørsmålet om hvordan Stortinget kan påvirke Kulturrådet. Der tror jeg både representanten Thommessen og representanten Gjul har fått en lærepenge, for i likhet med regjeringspartiene går også hans parti inn og går også hans parti inn og styrer post 55, bl.a. gjennom det man gjør på Dokkhuset Scene. Så her er det nok flere partier som kanskje burde hatt fingrene av fatet i forhold til fondet og post 55.
Representanten er veldig fornøyd med sin egen regjerings budsjett. Det har jo vært en sterk økning, og det skal vi gjerne gi honnør for, selv om vi godt kunne tenke oss mer til andre ting som vi har foreslått mer til. En viktig del av Kulturløftet II, som riktignok ikke er denne komiteens ansvar, gjelder kulturskolene. Det er den delen av Kulturløftet som retter seg mot barn og unge, som har potensial til å nå flest, og som betyr veldig mye for veldig mange rundt omkring i hele landet. Her har det jo skjedd veldig lite, for å si det forsiktig. Det er kommet noen stimuleringsmidler, og vi hører en del retorikk; det høres ut som om kulturskolene bare er ett av mange tilbud i skolefritidsordningen, og ikke en institusjonen med den kraften som den faktisk har. Er representanten fornøyd med regjeringens oppfølging av kulturskolene så
Kulturskolene er utrolig viktige, ikke minst for å gi barn muligheter til å delta i kulturaktiviteter og få lov til å utvikle sine kreative egenskaper. Derfor har vi vært veldig tydelig i Kulturløftet II på at nå skal virkelig også kulturskolene få lov til å være med i Kulturløftet. Men vi har også sagt at hvis kulturskolene skal bli tilgjengelige for alle – for i dag er kulturskolene et middelklassefenomen – er det viktig at kulturskolene på en måte også blir en del av skoletilbudet gjennom bl.a. SFO. Derfor har vi bl.a. satt i gang forsøk i for å gjøre kulturskolene mer tilgjengelige for flere barn, slik at også barn som i utgangspunktet ikke har råd til å delta i kulturskolen, skal få muligheten til det. Vi har satt i gang ved at vi har prøveprosjekter på 40 mill. kr. Det er åpenbart at det ønsker vi å trappe opp i årene framover, bl.a. gjennom at vi også har fått en innstilling fra Kulturskoleutvalget som nå blir fulgt opp. Vi har ambisjoner om å gjøre noe virkelig stort med kulturskolene.

påpeke at det som er god kultur for én, slett ikke trenger å være god kultur for en annen. Kulturen skal i utgangspunktet være fri og uavhengig av politisk styring, og den må være basert på frivillighet og personlig engasjement. Jeg er av den oppfatning at politisk styrte kulturgoder ødelegger kulturens vesen og vektlegger i sin kulturpolitikk det som aktiviserer barn og unge, frivillige lag og organisasjoner og det som fanger opp breddeaktiviteten, som f.eks. idrett og musikk. Frivillige lag og organisasjoner skal få fritak for merverdiavgift, sier regjeringen, men den trapper sakte ned en byråkratisk vanskelig ordning som gjør at de frivillige bruker mye tid. Dette prioriterer Fremskrittspartiet, og vi har et forslag her. Ideelle og humanitære lag og organisasjoner fyller en nyttig samfunnsfunksjon, noe som alle her i salen er helt enige om. Frivillig sektor må også få gode og forutsigbare rammebetingelser, fri for politisk styring. Vi har akkurat delt ut Frivillighetsprisen, som mange var nominert til, og som det burde ha vært mange vinnere til, etter min mening. Vi fikk en verdig vinner. Det viser hvor mye frivillig sektor betyr. Kulturens egenverdi eksisterer i samspillet mellom mennesker. Fremskrittspartiet mener at arenaen kulturen eksisterer på, er viktig. Jeg vil framheve at kunstneriske uttrykk er meningsløst uten en arena, en god arena, for å vise den. Jeg registrerer at regjeringen øker bruken av skattebetalernes penger når det gjelder kulturen, og det er man stolt av. Men jeg minner om at dette ikke automatisk fører til en rikere kultur for folk flest. Det får man ved å stille krav og for folk flest. Det får man ved å stille krav og ved å samarbeide om kulturen. Folk skal i størst mulig grad selv ha råderett over kulturmidlene. Dette vil sikre at kulturen blir deltagende og engasjerende, og at den treffer må i størst mulig grad kanaliseres i samsvar med det smaks- og meningsmangfoldet som eksisterer i Norge. Jeg er meget skeptisk til alle modeller som innebærer at oppnevnte komiteer på vegne av fellesskapet fordeler penger etter eget forgodtbefinnende og ut fra sitt eget skjønn. skulle ønske det var ordninger som kunne gi offentlige kulturinstitusjoner et bredere publikum, som igjen ville gi et mer innholdsrikt kulturtilbud, etter min mening, og samfunnet en bedre utnyttelse av de offentlige og private kulturmidlene, altså kultur til folket. Det er viktig at vi sikrer vår Derfor er det vesentlig at offentlige midler i første rekke brukes til tiltak som sikrer at historien og tradisjonene innen kultursektoren ikke går tapt. Det gjelder rehabilitering av bygg når det er nødvendig, at man ikke venter til kostnadene blir desto større. Enkelte kirkereparasjoner er tydelig bevis på dette. Det gjelder politikere som fristes til å bygge nye og store bygg, og glemme rehabiliteringen. Det er ikke spennende nok, det er viktigere og morsommere med store monumenter. Deichmanske bibliotek – Hovedbiblioteket, Statens håndverks- og kunstindustriskole, Kunstindustrimuseet, Historisk museum, Nasjonalgalleriet, Munch-museet – dette er fem signalbygg i Oslo. Alle husene er bygd for deres nåværende bruk,